Situasjonen for gods på bane er et viktig tema. Jeg vil derfor prøve å gjøre rede for hva regjeringen har gjort, og hva den vil gjøre i tiden framover. Jeg vil legge hovedvekten på Alnabru, siden representanten Schou i sin interpellasjon fokuserte nettopp på denne terminalen. Alnabruterminalen er, som representanten var inne på, for godstransporten det som Oslo S er for persontransporten. Terminalen er selve navet i godstransporten på Alnabruterminalen har kapasitet nok til å ta imot en del mer gods enn det som håndteres i dag, men på lengre sikt må kapasiteten på terminalen utvides. De tekniske anleggene på Alnabru er dessuten gamle og nedslitte. Ord som «kollaps» blir veldig tabloid. Men det er klart at Jernbaneverket anslår at fornyelse av de tekniske anleggene må settes i gang før 2019. Dersom vi utsetter denne fornyelsen, vil driftsstabiliteten gå ned. Kostnadene til reparasjoner og vedlikehold vil øke. Med lavere driftsstabilitet vil også jernbanens konkurransekraft innenfor godstransport bli svekket. Et velfungerende nav er en forutsetning for å kunne nå det målet som vi har til felles, om mer gods på jernbanen. I inneværende Nasjonal transportplan 2010–2019 ble det på bakgrunn av et grovt kostnadsoverslag satt av 1 mrd. kr til oppstart av Jernbaneverket har etter flere års planlegging utarbeidet en hovedplan for et første av i alt fire byggetrinn på Alnabru. Hovedplanen forelå i 2010, og kostnadene er estimert til over 10 mrd. kr. I lys av den betydelige økningen i kostnadsanslaget som forelå, så Samferdselsdepartementet behov for en gjennomgang av de foreliggende utbyggingsplanene, og satte i desember 2011 i gang en ekstern kvalitetssikring av utbyggingsplanene. kvalitetssikringsarbeidet ble ferdigstilt første halvår i år. Den gjennomførte kvalitetssikringen viste at Jernbaneverkets hovedplan for byggetrinn 1 ville i seg selv gi en god og funksjonell godsterminal. Kvalitetssikringen stilte imidlertid flere grunnleggende spørsmål ved forutsetningene som er lagt til grunn for planarbeidet fra Jernbaneverkets side. Det gjaldt særlig og hvor hensiktsmessig det vil være å maksimere kapasiteten på Alnabru. Kvalitetssikringen ga uttrykk for at Jernbaneverket har lagt planer for en terminal som er mye større enn det antakelig vil være behov for. Samlet vil byggetrinn 1–4 i Jernbaneverkets hovedplan gi om lag en tredobling av kapasiteten på Alnabru. Byggetrinn 1 vil alene gi om lag en dobling av kapasiteten på terminalen. som ble utført i sommer, peker i retning av at det framtidige behovet på terminalen vil være om lag det dobbelte av i dag, dvs. det tilsvarer omtrent byggetrinn 1 i hovedplanen. Så er selvsagt spørsmålet hvorfor man ikke kan sette i gang arbeidet med det planlagte byggetrinn 1 med en gang. Til grunn for Jernbaneverkets planarbeid på Alnabru har det ligget et premiss om at terminalen skal utvikles at kapasiteten på sikt blir tredoblet sammenlignet med i dag. Byggetrinn 1 var derfor utformet med tanke på en ytterligere utvidelse av terminalen på et senere tidspunkt. Alternativer som ikke ga denne muligheten, ble tidlig silt ut i Jernbaneverkets utredning av ulike utbyggingsalternativer på Alnabru. Premisset om en mulighet for senere tredobling kan faktisk ha ført til at mer samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger for å doble kapasiteten ikke var tilstrekkelig vurdert og analysert. Samferdselsdepartementet mener det er viktig å vurdere nærmere om løsningsmulighetene kunne vært utformet annerledes og rimeligere dersom et annet mål var satt som det primære fra starten av. Med byggetrinn 1 skjer utvidelsen av terminalen i ett enkelt steg, mens kapasitetsbehovet i årene framover kommer til å skje mer gradvis. Vi må leve med at det ikke er realistisk med en lineær kapasitetsutvidelse, og en oppdeling i mindre trinn av utbygging vil antakelig redusere risikoen for overinvestering i kapasitet på et senere tidspunkt. Når det gjelder etableringen av politiets beredskapssenter, viste kvalitetssikringen at det vil være mulig å etablere denne type beredskapssenter på Alnabru og samtidig realisere første byggetrinn i hovedplanen – altså en dobling av Det vil imidlertid ikke være mulig å utvide terminalen utover første byggetrinn, sånn at man på et senere tidspunkt får en tredobling, som det var angitt i den opprinnelige hovedplanen. Oppsummert er det viktig å si at det er flere forhold som gjør at Samferdselsdepartementet nå har gitt Jernbaneverket i oppdrag å se på alternativer til den planlagte utbyggingen. Forventet kapasitetsbehov ser ut til å ligge for høyt og har lagt sterke begrensinger på hvilke alternativer som blir ansett som mulig og realistisk. Disse forholdene gjør at det ikke lenger er aktuelt med en tredobling av kapasiteten på Alnabru. Det har med andre ord skjedd endringer i forutsetningene etter at arbeidet med utbyggingsplanene ble ferdigstilt fra Jernbaneverkets side. Når de viktigste premissene for utredningsarbeidet er endret, vil det være feil bare å

i ett sprang, mens utviklingen i etterspørselen kommer til å skje mer gradvis. Samferdselsdepartementet har derfor gitt Jernbaneverket i oppdrag å foreslå løsninger på Alnabru som innebærer en mer trinnvis utvidelse av terminalen enn det de foreliggende utbyggingsplanene legger opp til. Det skal også ses på om det er mulig å få fram rimeligere utbyggingsalternativer i lys av at terminalen arealmessig begrenses til om lag en Jeg ønsker en utbyggingsplan der terminalen utvikles mest mulig i takt med etterspørselen, heller enn å bygge ut alt på en gang. Med den type tilnærming er målet å komme raskere i gang med selve utbyggingen for dermed å kunne øke kapasiteten på Alnabru tidlig i kommende Nasjonal transportplan-periode. En trinnvis utvikling vil også være hensiktsmessig dersom markedet skulle utvikle seg mer positivt enn prognosene Jeg er opptatt av at arbeidet med å videreutvikle Alnabruterminalen kan komme raskt i gang. I oppdraget til Jernbaneverket har Samferdselsdepartementet derfor særskilt bedt om en vurdering av mulighetene for tiltak i første fireårsperiode av neste Nasjonal transportplan, bl.a. fornyelsesbehov og forventet kapasitetsbehov i lys av dagens restkapasitet på Alnabru. Det kan være et første trinn i den mer langsiktige moderniseringen og fornyingen av terminalen. Første fase i utredningsarbeidet skal være på et konseptuelt nivå, dvs. en overordnet vurdering av mulige løsninger. Samferdselsdepartementet tar sikte på at utredningen skal kvalitetssikres eksternt høsten 2013, med sikte på videre detaljering av det valgte utbyggings- og fornyelsesalternativet fra 2014. Den kunnskapen vi nå har, bl.a. som følge av den eksterne har gitt behov for å stille spørsmål ved de foreliggende utbyggingsplanene for Alnabru. Den voldsomme økningen i kostnadsanslaget fra inneværende NTP til hovedplan er ett element som har forsterket det behovet. De siste årene har dessuten jernbanen fått sterk konkurranse fra billig utenlandsk veitransport. Det er derfor viktig med tiltak som kan redusere kostnadene for godsselskapene over på bane. En mer effektiv og moderne terminal er den type tiltak. Det har vært stor utålmodighet knyttet til videre utbygging av Alnabruterminalen. Jeg deler denne utålmodigheten. Vi kan ikke vente i ti år på en videre utbygging av Alnabru. Med en trinnvis og mer realistisk tilnærming enn det som opprinnelig lå til grunn, er det min holdning at man kunne øke kapasiteten på Alnabru mye raskere enn opprinnelig planlagt. For øvrig vil regjeringen komme tilbake til mer konkrete tiltak i Nasjonal transportplan for perioden som forsamlingen er kjent med skal legges fram for Stortinget i vårsesjonen neste år. Jeg takker for svaret fra statsråden. Jeg er svært glad for at statsråden understreker at målet om å få mer gods fra vei til bane ikke er endret, men jeg tør minne om at det nå er gått åtte år, og det går fortsatt gal vei – hele tiden. Jeg er svært glad for at planene om utbygging på Alnabru ikke er skrinlagt. Det er helt nødvendig, og når statsråden sier at man nå ser på om dette kan gjøres rimeligere, er det helt i tråd med hvordan Høyre tenker: mer igjen for pengene. Det er klokt. men jeg minner om at man altså er til de grader på etterskudd, med et etterslep som gjør at

klokt, samtidig som jeg ikke helt skjønner hvorfor det ikke er mulig å gå fra plan til handling. Nok en gang er det ny endring, ny gjennomgang og nye runder, mens Jernbaneverket selv sier at dette er et prosjekt som er meget godt egnet for offentlig–privat samarbeid. Jeg tror det er viktig nok en gang å påpeke at både Alnabru godsterminal, linjestrekningene og endepunktterminalene må bygges ut, men de må også effektiviseres. Det bør også gis et løft som øker punktligheten, som gir mer forutsigbarhet, og som reduserer transportkostnadene på jernbane. Dette understrekes fra dem som driver med godstransport i hele landet – dette er navet, og fungerer ikke navet, har det konsekvenser langt utover i det ganske land. Dette med krysningsspor, slot-tider, stor nok kapasitet og konkurranse på Alnabruterminalen er noe av det som gjentatte ganger i møte med aktørene påpekes som nødvendige behov, og som også må Utredninger viser at antall transporterte tonnkilometer vil øke dersom terminalen flyttes. Lokaliseringen på Alnabru er derfor optimal når det gjelder å tenke både miljø og transportkostnader. Strakstiltakene gir en økning på kapasiteten på Alnabru som ivaretar trafikkveksten på kort sikt. Det tror jeg er viktig og nødvendig, og jeg hører også at det er det statsråden er opptatt av.

deler opp prosjektet og lager en mer trinnvis utvikling som gjør at en kanskje ikke er så ambisiøs fra starten av, men der en kommer desto raskere i gang. Jeg tror det er helt avgjørende for å starte den moderniseringen som vi er nødt til å gjøre på Alnabru. Det betyr at en i forbindelse med NTP vil komme tilbake drøfting av hvilke første tiltak som er mulig å gjennomføre knyttet til Alnabru, men at en også vil fortsette utredningsarbeidet omkring en trinnvis utvikling, og tar sikte på at en fra høsten av kan kvalitetssikre og videre detaljere utbygging i tråd med en trinnvis utvikling. Så var interpellanten også på spørsmålet om en del andre sider av godstrafikken og godstransporten på bane. Jeg er også enig i at det å holde oppmerksomhet knyttet til krysningsspor og andre tiltak som kan gjøre bane til et godt alternativ for dem som ønsker å frakte gods, er svært viktig. Jeg er også enig i at spørsmålet om eierskap til terminalene og hvem som driver terminalene, også vil være et viktig spørsmål å komme tilbake til i Nasjonal transportplan, og jeg synes at interpellantens synspunkter der, om en mulig nøytral operatør, er ganske viktige synspunkter som også Samferdselsdepartementet er svært opptatt av. Så har jeg også lyst til å si at det viktigste regjeringen har bidratt med, og som er et nødvendig og vedvarende arbeid som må føres, og som dessverre har vært forsømt i altfor mange år før denne regjeringen kom i regjeringskontorene, er en prioritering av vedlikehold, drift og fornyelse av jernbanen. Det er det viktigste en kan gjøre for å få en mer punktlig og konkurransedyktig jernbane også når det gjelder frakt av gods. Arbeidet med å oppgradere standarden på jernbanen, som denne regjeringen har satt i gang og kommet et godt stykke på vei med, er kanskje det aller viktigste enkelttiltaket en kan gjøre for å øke mulighet til å konkurrere på

er vel så opptatt av at vi faktisk får gjort noe med Alnabru fordi vi er nødt. Den utviklingen som statsråden skisserte, med en trinnvis utvikling i takt med etterspørselen, kan være fornuftig, men da må vi komme i gang raskt. Tiltak må på plass i den første fireårsperioden i neste NTP. En av årsakene til at jeg tror at en slik trinnvis utvikling er fornuftig, er at jeg ikke er overbevist om at all veksten framover skal tas på Alnabru – en terminal midt i Oslo. Andre steder i landet diskuterer man å flytte terminalene ut av byene – i Trondheim og i Bergen. Vareeierne er også på vei ut av byene til billigere tomter nær god infrastruktur i utkanten eller i omkringliggende kommuner. Dette er en utvikling vi må følge med på. Når det er sagt, er én ting sikkert: Alnabru har fortsatt sin plass som navet for godstransporten. Men vil det være klokt å se på alternative utviklingsmuligheter i tillegg? Med et opprustet og utvidet Alnabru som nav Men vil det være klokt å se på alternative utviklingsmuligheter i tillegg? Med et opprustet og utvidet Alnabru som nav og med én eller flere satellitter andre steder på Østlandet, gis avlastningsmuligheter – i Østfold f.eks., hvor man i Mosseregionen har både havn, flyplass og god infrastruktur på både vei- og jernbanesiden. Godstrafikken på jernbane har flere utfordringer enn kun utbyggingen av Alnabru. Den 13. mars i år gikk det et ras over Dovrebanen. 6. april – under kunne banen åpnes for trafikk igjen. Dette er bare én av utfordringene godstransporten på jernbane har måttet slite med, og som gjør at kundene blir usikre på om gods på bane er verdt å satse på. Det er et tungt arbeid å forhindre at flom og ras stenger godstrafikken og øvrig jernbane. Men det er også ting vi kan gjøre – ting som vi rår over – for å sørge for mer godstransport fra vei til bane. Derfor mener jeg at det er flere ting som må gjøres. Den øvrige infrastrukturen må være i en slik stand at vi får en sikker og effektiv framføring av godset. Jeg er glad for den snuoperasjonen den rød-grønne regjeringen har gjort når det gjelder opprustning av jernbanenettet. Vi ser allerede effekten av det, og en videre fornyelse og opprustning av skinnegangen i årene som kommer, er avgjørende for om vi lykkes. Jernbanen må være til å stole på. Gods på jernbane sliter med lønnsomheten i dag, og i et konkurranseutsatt marked er det begrenset hva staten kan gjøre for direkte å øke lønnsomheten. Men ett tiltak som har vært skissert, har jeg tro på. Det gjelder eierskap og drift av terminalene. Jernbaneverket har tidligere i år levert en utredning der de peker på at de bør overta terminalene. Jeg mener det vil være riktig. I dag eier staten bare terminalen på Gandal. Drifting av øvrige terminaler står i hovedsak den største godsoperatøren for. Vi trenger en konkurransenøytral eier og drifter av terminalene, og det vil også avlaste operatørene for kostnader de har i dag. Det er ikke en enorm sum som går med til drifting av terminalene, men for godsoperatørene er det av avgjørende betydning for lønnsomheten. Det vil være riktig å anse terminalene som en del av infrastrukturen – og med samme eier. Arbeiderpartiet har ambisjoner om mer gods på jernbane. Å sørge for en Alnabruterminal med tilstrekkelig kapasitet er en forutsetning, men vi må gjøre mer. Vedlikehold, fornyelse og modernisering av den øvrige infrastrukturen må fortsette. Nye krysningsspor må bygges, og eksisterende krysningsspor må forlenges. Utbyggingen av dobbeltspor vil også øke framkommeligheten for godstog og er ikke viktig bare for persontransporten. Eierskapet og driften av terminalene bør legges til Jernbaneverket. Jeg er overbevist om at den nye nasjonale transportplanen som presenteres på nyåret, vil inneholde tiltak som vil bedre situasjonen for godstransporten og støtte opp under den målsettingen vi har om mer gods på

Så registrerer jeg at statsråden er veldig enig med interpellanten i at det er viktig å komme raskt i gang. Ja, det er vi veldig enig i. Men det er kanskje enda viktigere å bestemme seg for når dette skal være ferdig. Det er det man er opptatt av. Når kan man forvente at ting er ferdig? Det hjelper ikke bare å prate om at vi må komme raskt i gang, når man ikke har bestemt seg for når man har tenkt å være ferdig. Så jeg vil utfordre statsråden til å være mer konkret og ikke bare prate om at man skal komme raskt i gang, men også begynne å si når ting faktisk skal være på plass og være ferdig. Det er også viktig. Så er jeg enig i det interpellanten sier. Hvis vi ikke snart begynner å foreta oss noe når det gjelder jernbanebasert godstransport, tror jeg snart den er borte eller i hvert fall kommer til å få store utfordringer. For det er ikke tvil om at den transportformen som sliter aller, aller mest, er godstransport på jernbane. Når jeg leser

Jeg tror vi har diskutert dette i mange nok år. Jeg tror det er viktig at man kommer i gang, sånn at de som skal drive med godstransport på jernbane, har tillit til og tro på at dette er noe man ønsker. Hvis utviklingen får lov til å fortsette, sånn som den gjør nå, og man ikke tar de grepene og bestemmer seg for når ting skal være ferdige og være på plass, vil det nesten være sånn at godstrafikk vil komme til å være en museal greie – noe man hadde i tidligere tider – fordi man ikke klarer å konkurrere mot andre. Men selv om man bare fortsetter å skyve dette foran seg, som jeg opplever at regjeringen gjør fordi det selvfølgelig er store kostnader her, tror jeg fortsatt det vil være mange tog som kommer til å gå. Men det kommer til å bli vogntog – på veien – i rekke og rad etter hverandre. I stor grad vil det vel også være utenlandske vogntog.

underselskaper i Posten. Det er interessant å høre på statsråden og engasjementet for toget. Det er interessant å høre på representanten Langelands engasjement for dette. Men når vi tar opp utfordringene som nettopp rammer jernbanen aller mest, nemlig kabotasje, kostnader og bruk av utenlandske

regjeringen ikke ville støtte Høyres og Fremskrittspartiets forslag i saken om å hente inn eksterne som kan både planlegge og komme i gang med utbyggingen. Når vi diskuterer transportpolitikk i denne salen, og når vi har gjort det de senere år, er Når vi diskuterer transportpolitikk i denne salen, og når vi har gjort det de senere år, er det to ting som er nokså lett gjenkjennelig. Det ene er at regjeringen skryter av egen fortreffelighet, og det andre er at man skylder på forrige regjering for det meste som går galt. Jeg hørte ikke så veldig mye skryt i dag, men det vanlige med å skylde på forrige regjering kom. Jeg mener ærlig talt at etter snart åtte år må man kunne forvente at man tar ansvar for egen politikk og ikke skylder på forrige regjering. I 2002 var det den borgerlige regjering som styrte, da var godsmengden på bane i Norge 894 000 tonn, i 2005 var den steget til 7 195 000 tonn. I den siste rapporten som nå er lagt fram fra Jernbaneverket om jernbanestatistikk for 2011, er vi nede på 5 085 000 tonn, altså over 800 000 tonn lavere enn det den var i 2002. 2002. Noe av det som helt åpenbart er årsaken til dette, er at navet for jernbanegodset i Norge ikke fungerer. Vi har heller ikke nok krysningsspor. Høyres forslag for flere år siden om å lage en egen handlingsplan for krysningsspor nettopp for å belyse hvor det var størst behov, slik at vi kunne øke kapasiteten og få flere parallelle godstog,

for å komme raskere til målet, altså prosjektfinansiering og gjerne trekke inn private aktører. Det ble heller ikke gjort. Så svarer statsråd Arnstad interpellanten med en lang utredning om at forutsetningene har endret seg, man må og nå vil hun ta fatt i en mer trinnvis utbygging for å nå målet. Alt dette er vel og bra, men det er jo slik at det kanskje kunne være på tide å trekke inn en ekstern aktør i dette arbeidet, slik vi har foreslått i denne salen. Når vi lytter til dem som virkelig kjenner hvor skoen trykker, representanter fra NHO, logistikk og transport, eller kanskje det private Cargolink, hevder de begge at det er muligheter for å utnytte Alnabru på en helt annen måte enn det som skjer i dag, og dermed unngå det infarktet som nå er i ferd med å oppstå, eller i hvert fall utsette det i en del år. Gods- og persontransport på bane Det handler om «oppehet», det handler om regularitet, det handler om punktlighet, og det handler om fleksibilitet. Når vi ser at godsmengden har gått så kraftig tilbake som den har gjort, er det disse tingene det er feilet på. Det er det man da bør konsentrere seg om fra regjeringen. Når statsråd Arnstad sier at la oss få en trinnvis utbygging, så får vi se hvordan

som de selv har skrevet inn i sin regjeringserklæring, Soria Moria-erklæringen? Hvilke ambisjoner har denne regjeringen for godsmengde på bane? Når skal Alnabru stå ferdig? Samlasterne, transportørene og kundene venter på et svar. La meg starta med at noko av problemet når det gjeld jernbane, er

som prøver å stå fram som ein forkjempar for gods på jernbane – «you name it». Kva er det me kjenner Framstegspartiet for? – Nei til bompengar, mindre bilavgifter, meir trafikk på vegane. Det er ikkje snakk om å prioritera jernbanen med Framstegspartiet. Det er snakk om å prioritera å få endå fleire vogntog på vegane. Det er det som er den praktiske politikken når ein er mot alt alt avgiftsstyret og landevegsrøveriet. Då blir det endå billegare å køyra lastebil. Då endar ein berre med å syta og klaga på regjeringa, men eigentleg har dei den mest elendige politikken sjølve for å få meir over på jernbane. Då heng det ikkje på greip. Det trur eg er eit parlamentarisk uttrykk. Så er det slik at noko av dilemmaet her

nok har me i den raud-grøne regjeringa auka løyvingane til jernbanen på budsjettet for 2013 med bortimot fem gonger i forhold til 2005, men det er langt frå nok for å ta igjen for den prioriteringa av biltrafikken som skjer kvar dag i Noreg. Det er eit sentralt punkt – trur eg – når det gjeld Nasjonal transportplan, å finna ein måte som gjer det meir rettferdig for jernbaneinvesteringar i Noreg enn det er i dag, når ein altså byggjer på Gardermoen for 14 mrd. kr utan at Stortinget har bestemt det, og dermed legg til rette for auka flytrafikk. Det var visse interessante ting frå interpellanten. Det eine var knytt opp mot eigarskap. Eg har alltid oppfatta Høgre sånn at dei ønskjer meir konkurranse, meir privatisering, fleire aktørar – og då blir alt så mykje billigare. Men no har dei tydelegvis snudd. Eg veit ikkje om det er fordi dei har «looked to Sweden» og sett på korleis det har gått med svenskane, som har gjort dette, og som no på ein måte må tenkja seg om på ny. Eg forstår det no sånn at Høgre faktisk er for at Jernbaneverket – ein kalla det eit modernisert jernbaneverk – skal driva terminalane, og det skal vera éin eigar av terminalane. Det er nye signal frå Høgre og, etter mi meining, positive signal – òg for jernbanen. Så vil eg seia at det Så vil eg seia at det eg høyrer frå statsråden her i dag, rett og slett er nye signal om at no skal me koma i gang, no skal me ikkje sitja og sjå på at rekninga for ein gigantisk godsterminal berre blir større og større. No skal me bryta dette ned, og så skal me koma i gang med å byggja. Eg synest det er eit veldig fornuftig strategisk grep som er tatt. Til slutt: Lat meg berre seia at for Alnabru er det mange moglege løysingar, ikkje berre det at det treng mykje areal. Kinesarane byggjer no, ikkje berre det at det treng mykje areal. Kinesarane byggjer no, ifølgje Schenker, godsterminalar i høgda, nettopp for at det ikkje skal vera så arealkrevjande. Derfor kan det henda at det er det som blir løysinga for Alnabru. Elles må eg seia at som togførar på godstog frå Trondheim til Stavanger er det fortreffeleg å kjøra med 30 vogntog bak lokomotivet. Det er

I Oslo sier vi at Alnabruterminalen og Sydhavna er siamesiske tvillinger. De har et samarbeid som er svært viktig for transportstrømmene når det gjelder gods i Oslo-området og østlandsområdet for øvrig. Eksportartikler sluses på vei effektivt gjennom Oslo – fra Alnabru til containerhavnene i Sydhavna. Importvarene sluses tilsvarende effektivt på rv. 190 og E6 mellom Oslo Havn og Alnabru. Jernbaneterminaler som den på Alnabru kan ikke legges verken i Oslo Havn eller ved sjøen for øvrig. Jeg tror også jeg vil advare sterkt mot å sette i gang en diskusjon om å finne en ny beliggenhet for godsterminalen. Alnabru er en ideell beliggenhet, ikke minst på grunn av den gode og miljøriktige samtransporten som foregår mellom Alnabru og Oslo Havn. Sjursøya er blitt bygget ut med en ny containerterminal. Sydhavna har fått vesentlig større kapasitet. Siste byggetrinn innebærer at Sjursøya overtar hele containerhavnvirksomheten med last over kai, og at Ormsundterminalen vil bli lagt ned. Jernbanens store ulempe er at den ikke kan transportere gods fra avsender til mottaker, den kan bare transportere mellom jernbanestasjoner. Alnabru er derfor viktig for omlasting

på en måte som verken er miljøvennlig, trafikksikker eller effektiv. Utbygging og modernisering av Alnabruterminalen er særdeles viktig. Det som samtidig må skje, er at man utvikler nye atkomstløsninger. Det er det faktisk satt av penger til i Oslopakke 3. Jeg tror det ville være svært kunne fremskynde dette prosjektet, slik at vi kan få en effektiv og miljøvennlig godshåndtering i Alnabruområdet og i resten av

om hva dette vil bety for Alnabruterminalen og eventuelt en utvidelse av den. Det vi kunne høre i Østlandssendingen den 29. august 2012, var: «Resultatet av et beredskapssenter på Alnabru kan bli mer tungtrafikk på veiene. Alnabru går en usikker framtid i møte. Det mener Einar Spurkeland, informasjonssjefen hos godsgiganten Schenker.» Schenker er altså et av de største godsselskapene i Europa. Noe av det samme har også lederen i LO i Oslo sagt, på vegne av de medlemmene de har i forbindelse med jernbane og logistikk. Derfor er det særdeles viktig at vi får etablert et beredskapssenter, men man må stille spørsmål ved klokskapen ved å legge disse to viktige institusjonene omtrent på samme tomt. Kan samferdselsministeren i sitt innlegg Kan samferdselsministeren i sitt innlegg si om hun er tilfreds med at regjeringen har gjort dette valget, eller om dette vil få konsekvenser for godshåndtering og jernbanedrift, som man må håndtere på et senere tidspunkt, og som man ikke tilstrekkelig vet konsekvensene av ennå?

Det handler om at man er tydelig på hvilke konsekvenser dette vil få. Jeg mener at man også er nødt til å se på konsekvensene for det samferdselsmessige, ikke minst når det nå har kommet frem at det å etablere et beredskapssenter på Alnabru kan ta så mye som åtte til ti år. Det vil få betydelige konsekvenser også for

kan ta så mye som åtte til ti år. Det vil få betydelige konsekvenser også for eventuelle videre utvidelser av Alnabruterminalen. Kapasiteten på Alnabru er sprengt. Kapasiteten på sporene til og fra Alnabru er også en flaskehals. Det er ønskelig og nødvendig for miljøet å flytte mer godstransport over på bane. Dette tror jeg vi alle er enige om. Interpellanten er nervøs for på Alnabruterminalen ikke går kjapt nok til å ta unna for økningen i godstransport. Jeg skjønner denne bekymringen hvis en tenker at alt gods skal gå via Oslo. Først vil jeg bare si at jeg er veldig for at en bygger ut Alnabruterminalen. Og jeg er glad for statsrådens tilnærming, om en mer skrittvis utbygging. Det tror jeg er en klok tilnærming. Så var det vel representanten Kjernli som var inne på det som jeg har lyst til å ta opp. Det er vel ikke slik at all utbygging, spesielt ikke så plasskrevende utbygging som en utbygging av en godsterminal, skal skje midt i Oslo. Det er ikke logisk i det hele tatt. I Hedmark har vi nemlig løsningen på hvordan vi kan ta unna for noe av den økningen som vil komme på Alnabruterminalen. Det er utbygging av godsterminal på Kongsvinger. Der er det mye bedre plass, og følgelig også mye rimeligere å bygge ut. Men forutsetningen for å dra nytte av en godsterminal på Kongsvinger er at vi elektrifiserer Røros- og Solørbanen. Elektrifisering av denne banestrekningen er kostnadsberegnet til kun 3,6 mrd. kr. Ja, det er mye penger, men i forhold til omfanget det er faktisk mye over 400 km – er det ikke mye penger. Det er svært rimelig å bygge ut denne banestrekningen, og det er også svært rimelig å bygge krysningsspor på strekningen. En slik utbygging vil også gi oss dobbeltspor mellom Oslo og Trondheim, det ene sporet gjennom Gudbrandsdalen og det andre via Østerdalen.

pågår. Da må en påregne en del stopp på eksisterende banestrekning, og det blir vanskelig å øke godstransporten så mye som en ønsker når en får driftsavbrudd. Vi kjenner også til at det i år var et lengre avbrudd på Dovrebanen Hadde Røros- og Solørbanen vært elektrifisert, kunne en ha kjørt alt godset fra Dovrebanen over på den banen. I dag har det kommet fram noen kreative løsninger her. Godsterminal i flere etasjer er sikkert bra og kreativt, men sikkert også svinaktig dyrt – unnskyld, det var helt sikkert ikke et parlamentarisk uttrykk, så det mente jeg ikke. Det kan være bra for land der det er fryktelig dårlig plass, men her i landet har vi faktisk god plass utenfor Oslo. Så svaret er: trinnvis utbygging av Alnabruterminalen, elektrifisering av Røros- og Solørbanen og bygging av godsterminal på utenfor Oslo. Så svaret er: trinnvis utbygging av Alnabruterminalen, elektrifisering av Røros- og Solørbanen og bygging av godsterminal på Kongsvinger. Jeg tror jeg har lyst til å advare mot disse distriktsinnleggene som kommer om at man ikke skal satse fullt og helt på å få til en god utbygging og et godt vedlikehold av Alnabruterminalen. Det er første prioritet nå – det må være det. Til representanten Langeland: Jeg tror ikke han har fulgt helt med. Et modernisert jernbaneverk som eier, drifter og tar hånd om variant à la Avinor, som gjør at man kan konkurrere og få en langt større effekt. Faktum er også at etter at interpellasjonen ble levert,

til bane går feil vei, og det går feil vei med regjeringens politikk. Det går også feil på den måten at vi er på etterskudd. Det er ikke bare det å se fremover, selv om man har arbeidet med det i mange år, man er på etterskudd både med utbygging, med vedlikehold og med å ta i bruk annen type kompetanse og se på andre typer løsninger, både når det gjelder å bygge og å finansiere. Dette resulterer i at Norges konkurransekraft svekkes. Det er ikke slik at jeg eller Høyre, tror jeg, er urolige for det som skjer, men fagetaten, transportørene – aktørene – er urolige. De er urolige for regjeringens politikk, de er urolige for at vi ikke får de moderne løsningene som man faktisk etterspør, og de er urolige også for at man ikke får en dato for når man skal være ferdig. Det er utfordringen til statsråden også, en dato for ferdigstillelse av henholdsvis trinn 1, trinn og trinn 3 – og så håper jeg vi stopper der. For hvem er det som vil investere i en terminal som man ikke vet om ligger der om åtte–ti år? Det er det også viktig blir avklart, og at man ikke får oppmerksomhet om distriktsterminaler. Gjerne i fremtiden, men nå handler det om Alnabru først og fremst, som er navet i all godstransport i Norge. Det er viktig at vi får en annen type eierskap til godslinjene på Alnabru og får til konkurranse. Det er også viktig at vi får til vedlikehold, og jeg henviser da til det vedlikeholdsfondet som vi faktisk har satt av i vårt alternative budsjett. Nasjonal transportplan: Veldig bra, men det gir ikke vei i vellinga med mindre det følges opp med aktiv tidfesting, finansiering og nye metoder. Jeg tror det er grunn til å repetere litt. Jernbaneverket la fram en hovedplan i 2010, som viste kostnader på 10 mrd. kr for en tredobling av kapasiteten på Alnabru. Den eksterne kvalitetssikringen, som var ferdig nå i sommer, stilte noen grunnleggende spørsmål ved den hovedplanen, bl.a. volumet, og kostnadene. Regjeringen har valgt å ta noen av de grunnleggende spørsmålene fra de eksterne kvalitetssikrerne ad notam, i den forstand at vi har ta utgangspunkt i en dobling av volumene, og at en ser på det som i hovedplanen kalles byggetrinn 1, som innebærer en dobling, men at en også foreslår en trinnvis utbygging i takt med behovet. Det gir oss først og fremst mulighet til å komme raskere i gang, og det er svært viktig. Da er det ikke sluttdatoen som er viktig, men det viktigste er å komme raskt i gang med det første trinnet for å få modernisert

Så til et par av de spørsmål som har blitt stilt. Både Kielland Asmyhr og Hoksrud var opptatt av beredskapssenteret. Jeg anser det som helt uproblematisk at det foreslås å etablere et beredskapssenter på en del av tomten på Alnabru. Jeg skal ikke gå videre inn på debatten om beredskapssenteret – den tilhører en annen statsråd og en annen komité – men bare slå fast at det ikke vil berøre terminalen negativt med hensyn til de konklusjonene som ligger fra de eksterne om en fordobling av volumene på Alnabru i årene framover. Så er jeg også enig i, som representanten Myhre var inne på, at Alnabruterminalen ligger riktig og godt der den ligger. Jeg er også opptatt av veisystemene inn mot Alnabru og ikke minst fra havneområdene i Oslo og inn til Alnabru, men det er et spørsmål som det er naturlig for regjeringen å komme tilbake til i forbindelse med Nasjonal transportplan. Jeg skal ikke fordele skyld når det gjelder forrige regjering, og jeg kan trøste representanten Halleraker med at jeg ikke bare skylder på den forrige regjeringen, men på mange regjeringer tidligere, som ikke har tatt vedlikeholdet på jernbane på alvor. Jeg mener oppriktig at denne regjeringen for første gang har gjort det, og holdt bevilgningene til vedlikehold på et høyt nivå. Da blir jeg også overrasket når Halleraker i sin tur begynner å skylde på regjeringen for noe som åpenbart er et resultat av finanskrisen, nemlig de reduserte volumene av gods fra 2008 og framover. Dermed er sak nr. 7 ferdigbehandlet. Dette er en sak som dreier seg om norsk godkjenning av EUs rådsdirektiv om felles regler for sivil luftfart.

Det var starten på det såkalte International Civil Aviation Organization, forkortet ICAO, som ble opprettet i 1947, og Norge ratifiserte denne avtalen den 5. mai 1947. I tillegg til at Chicago-konvensjonen beskriver hvordan ICAO skal organiseres, la den til rette for harmonisering av regelverk og framgangsmåter for å fremme sikkerheten og forenkle og effektivisere luftfart over landegrensene. I Europa ble det i 2002 etablert et organ for felles regler for flysikkerhet, European Aviation Safety Agency, forkortet EASA. Formålet med EASA er å sikre et høyt og ensartet nivå på flysikkerheten i Europa. EASA skal også bidra til like konkurransevilkår og økonomiske besparelser for luftfartsindustrien. Byrået har totalt 31 medlemmer: De 27 EU-landene og Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Norge ble medlem av dette 1. juni 2005 i forbindelse med at et EU-regelverk som inneholder felles grunnleggende flysikkerhetsbestemmelser, ble tatt inn i EØS-avtalen. Dette regelverket opprettet også EASA. Grunnleggende regelverk på EASAs ansvarsområde vedtas av Europaparlamentet og Ministerrådet, mens teknisk gjennomføringsregelverk vedtas av Europakommisjonen etter at EASA har utarbeidet forslag. Det vi skal ta stilling til i dag, er en utvidelse av myndighetsområdet for EASA gjennom et rådsdirektiv og EØS-komiteens beslutning knyttet til dette. Dette gjelder bl.a. sertifisering av personell og organisasjoner involvert i luftfartsoperasjoner, selve luftfartsoperasjonene og tredjelandsoperatører. I tillegg åpnes det for at EFTAs overvåkingsorgan, ESA, etter anmodning fra EASA kan ilegge overtredelsesgebyr og tvangsmulkt når innehaveren av et sertifikat utstedt av EASA ikke etterlever de regelbestemte vilkårene for dette sertifikatet. Hovedformålet er altså å sikre et høyt sikkerhetsnivå innenfor sivil luftfart gjennom et harmonisert regelverk i Europa. Forordningen gjør det nødvendig å endre luftfartsloven for å gi ESA myndighet til å ilegge økonomiske reaksjoner om nødvendig. Det er en samlet komité som her legger fram sin anbefaling om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 163/2011 av 19. desember 2011. Jeg anbefaler hermed komiteens innstilling. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8. Etter ønske fra kommunal- og forvaltningskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og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

Komiteen er samlet om mange av endringene, mens det på andre områder er uenighet. En samlet opposisjon står sammen om en rekke forslag, og i tillegg har de ulike opposisjonspartiene egne forslag utover dette. Jeg regner med at regjeringspartiene og opposisjonen redegjør for egne forslag. En samlet komité er imidlertid opptatt av at regelverket for partienes finansiering bør bidra til gode demokratiske Samtidig er det viktig at lovverket for frivillig arbeid i demokratiets tjeneste ikke blir mer byråkratisk enn nødvendig. Komiteen viser til at skjemavelde og rapporteringsplikt for frivillig arbeid i små partiforeninger er med på å skremme mange bort fra tillitsverv, og at dette igjen kan gi dårligere rekruttering til lokalt politisk arbeid. Komiteen minner om at grunnlaget for dagens partilov ble lagt av Partifinansieringsutvalget, NOU 2004: 25. Utvalget NOU 2004: 25. Utvalget maktet på de fleste vesentlige punkter å legge fram en samlet innstilling. Proposisjonen fokuserer på partiloven og på de politiske partienes finansiering, anvendelse av penger og spesifikk bruk av penger i valgkampen. Komiteen konstaterer at GRECO har et særskilt fokus på velgernes krav på åpenhet omkring partienes valgkampbudsjetter, men vil samtidig påpeke at like store budsjetter anvendes av store organisasjoner i og utenfor arbeidslivet for å påvirke velgernes stemmegivning. Komiteen vil vise til at det er et internasjonalt fenomen at store midler kanaliseres utenom partiene i valgkampen, og at det er behov for mer åpenhet om dette også i Norge. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti ber regjeringen sette ned et utvalg som kan utrede om hensyn til åpenhet er tilstrekkelig ivaretatt i lovgivning knyttet til kampanjer og pengebruk fra andre kilder enn de politiske Komiteen merker seg at departementet i proposisjonen foreslår at partiorganisasjonene også skal levere regnskap over utgifter. Komiteen konstaterer at GRECO trekker motsatt slutning av Partifinansieringsutvalget, som mente at begrunnelsen for å innføre slik rapportering var svakere enn argumentene for å la det være. Komiteen viser til at GRECOs hovedbegrunnelse, som departementet framfører, er at velgerne skal ha innsyn i hvordan partiene anvender skattepengene. Komiteen slutter seg til forslaget om at det innføres en plikt til å levere utgiftsregnskap, men vil understreke at dette ikke må bryte med partienes autonomi til å anvende partistøtten fritt, uten at staten skal føre kontroll med eller stille betingelser om bruk av støtten. Opposisjonen er på generell basis skeptisk til at det offentlige skal føre mer kontroll enn nødvendig med hva demokratiske politiske partier bruker sine midler på. Tilsynet kan ses på som et potensielt demokratisk problem. Regjeringen foreslår, i strid med Partifinansieringsutvalget, særlig innberetning av valgkampbidrag over 10 000 kr. I stedet for spesifikke regler for valgkamper vil det etter opposisjonens mening være bedre å ha en kontinuerlig offentliggjøring av innberetningspliktige bidrag, minst hver fjerde uke. Partiene bør ha plikt til kontinuerlig flagging av bidrag over terskelgrensene, i alle fall på sentralt plan. Bidrag mottatt fredag før valgdagen vil grunnet forsinkelser i bankenes systemer ikke kunne offentliggjøres før valgdagen. Opposisjonen viser også til at flere partier allerede offentliggjør bidrag på sine nettsider, ut fra en slik selvpålagt frist, og mener at det vil imøtekomme GRECOs rekommandasjon dersom en slik egenrapportering gjøres obligatorisk for alle partier.

som blir gitt til de politiske partiene, bør fram i offentligheten, men vi setter altså spørsmålstegn ved om det er nødvendig å ha egne regler for valgkamper med egne grenseverdier for hvor store bidragene skal være før de offentliggjøres. På den bakgrunn mener vi det er uheldig at det er såpass stor politisk uenighet om dette. Partiloven burde være noe alle partier sto samlet om. Jeg er skuffet over at regjeringen ikke har bestrebet seg mer på å ha kontakt med de politiske partiene før denne saken ble lagt fram. Jeg tar opp de forslag der Høyre er medforslagsstiller. Representanten Trond Helleland har tatt opp de forslag han refererte til. Det er i all hovedsak enighet om hvordan GRECOs anbefalinger til Norge skal følges opp, og det er bra. Kampen mot korrupsjon må føres på mange fronter og med de best tilgjengelige virkemidler. Det er viktig at vi til enhver tid forbedrer innsatsen der det er mulig. Norge har et godt renommé i GRECO. Det renommeet skal vi ivareta, og bred politisk enighet er en viktig forutsetning for det. Det er likevel noen forhold det hersker uenighet om i denne saken. Det første er knyttet til åpenhet om partifinansiering, og spesielt valgkampbidrag, som også saksordføreren var inne på i sitt innlegg.

Det er vel en ordning som begge parter kan si seg tjent med. Det er helt naturlig å støtte det partiet man er mest enig med, og som man deler synet på samfunnsretning med. Det er offentlig kjent at Stein Erik Hagen vil avvikle formuesskatten, og da er det heller ikke unaturlig at han velger å støtte Høyre. Jeg leser også i Dagsavisen at Høyre er glad for bidraget. Så får vi håpe at Stein Erik Hagen ikke føler seg hengt ut av regjeringspartiene selv om dette nå blir omtalt fra Stortingets talerstol. I sin tredje rekommandasjon ber GRECO om at Norge vurderer plikt til å rapportere mottatte inntekter og oppsamlede utgifter i forbindelse med valgkamper. Jeg er tilfreds med at departementet ikke bare nøyer seg med å vurdere tiltak, men også foreslår en lovendring for å følge opp tilrådingen. Det var bare to av partiene på Stortinget, Høyre og Fremskrittspartiet, som var negative til forslaget om en særskilt rapporteringsplikt for valgkampbidrag i Arbeiderpartiet mener det er viktig at velgerne er kjent med økonomiske bidrag og økonomiske bindinger til enkeltpersoner før de avgir sin stemme. Vi har merket oss at regjeringen nøye har vurdert forholdet mellom nytte og kostnader, og at den har lagt hovedvekt på GRECOs vurderinger i egenskap av et internasjonalt ekspertorgan på partifinansiering. På denne bakgrunnen støtter vi regjeringens forslag om innsyn i valgkampbidrag.

Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti støtter ikke forslaget om plikt til offentliggjøring av bidrag under valgkampen før valgdagen. Da må jeg spørre: Dersom en enkeltperson gir 1 mill. kr til ett av Oslo-partiene i løpet av valgkampens siste to uker, vil det da ikke være noen plikt til å offentliggjøre dette før valget? Har ikke velgerne krav på å få vite om det? Vil det ikke kunne gi grobunn for spekulasjoner og mistenksomhet i ettertid? Og hvorfor ønsker disse partiene å ha muligheten til å holde dette hemmelig før valget? Det andre poenget i denne saken er at Høyre, sammen med Kristelig Folkeparti, mener at det skal gis inntektsfradrag eller skattelette for gaver til politiske partier. Det er vi i Arbeiderpartiet uenige i. Forslaget vil bety at når f.eks. Christen Sveaas ga Høyre en halv million kroner i støtte i 2011, vil Høyre altså at han skulle fått igjen, gitt at man da har en skatteprosent på 28 pst., ca. 140 000 kr fra felleskassa. Vi mener det ikke er riktig at Sveaas skal få igjen penger fra felleskassa når han gir penger til Høyre – eller til Arbeiderpartiet for den saks skyld. Og for å komme motargumentet i forkjøpet: Det er en forskjell på å få inntektsfradrag for en fagforeningskontingent på med et effektivt skattefradrag på 1 960 kr, og det å få inntektsfradrag for en halv million kroner. Jeg tror alle partiene i denne salen er opptatt av at vi skal ha ordnede forhold i arbeidslivet, og Høyre har nå også erkjent at inntektsfradraget for fagforeningskontingent er et viktig bidrag til det. I tillegg ønsker Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti en høyere terskel for innberetningsplikt for politiske partier. Det, sammen med de andre bidragene, gjør at det synes som om partiene er opptatt av å holde ting skjult eller ønsker mindre åpenhet. Når jeg holder dette sammen med den tunge argumentasjonen for mindre åpenhet rundt skattelistene, må jeg spørre meg om det er hemmelighold som er det viktigste for opposisjonen. Jeg forstår ikke argumentasjonen for at man ikke vil støtte forslaget om å ha åpenhet om valgkampbidrag. Mener Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti virkelig at dette ikke er relevant informasjon for velgerne før de velger hvilket parti de skal gi sin stemme før de velger hvilket parti de skal gi sin stemme til? Saksordførar Trond Helleland har gjort greie for denne saka på ein god måte. I tillegg har òg Arbeidarpartiets Eirik Sivertsen hatt ordet. ordet. Det som har vore det viktigaste for Framstegspartiet, er at dette skal vere minst mogleg byråkratisk og minst mogleg omfattande, spesielt når det gjeld det frivillige arbeidet som skjer i partia rundt omkring i landet. Der er desse terskelverdiane viktige. Det er terskelverdiar i forhold til rekneskapsplikt, bokføringsplikt og fleirtalet då set til 12 000 kr, men som opposisjonen meiner bør hevast til 20 000 kr. Framstegspartiet har òg meint at kontingentinntekter bør haldast utanfor denne berekninga, på grunn av at vi ikkje ser at det er kontingentinntekter frå medlemene som skal kontrollerast. Eg registrerer at fleirtalet ikkje vil vere med på å heve terskelverdien, og Høgre og Kristeleg Folkeparti vil heller ikkje vere med på at kontingentinntektene skal haldast utanfor. Det er synd at ein ikkje får heva dette beløpet, for det medfører mykje ekstraarbeid for forholdsvis små partilag rundt omkring i landet. Framstegspartiet har altså fremja forslag nr. 8 om dette. Dersom det forslaget fell, vil vi subsidiært støtte forslag nr. 11, frå Høgre og Kristeleg Folkeparti. Framstegspartiet har òg vore inne på om ein bør vurdere å ha eit makstak for kor stor gåve ein kan gi til politiske parti. Det har vi òg fremja eit forslag om. Det står vi aleine om. Vi meiner at ei utgreiing om det kunne ha vore interessant og fornuftig å få vurdert. Elles har Høgre og Kristeleg Folkeparti

parti. Der kan vi tenkje oss at det er ein ideell organisasjon som mottar statleg støtte over statsbudsjettet, og då vil det vere litt feil om vedkomande kan gi ei gåve tilbake til dei politiske partia som har sikra denne støtta. Vi har fremja eit forslag om at ein bør vurdere å rydde opp i dette. Det har vi ikkje fått fleirtal for.

Når vi i dag vedtar en del endringer i partiloven, er det for å opprettholde og styrke tilliten til at politiske beslutninger blir fattet på grunnlag av demokratiske prinsipper. Ved å følge opp anbefalingene fra GRECO slutter vi også opp om Europarådets arbeid på antikorrupsjonsområdet, noe en samlet komité mener det er rett å gjøre. Selv om vi i Norge – og jeg vil si med rette – er stolte av at vi har lite korrupsjon, kan vi fortsatt lære av det arbeidet andre land gjør med å forebygge og bekjempe korrupsjon. I proposisjonen blir det bl.a. opplyst at Norge er det eneste landet i GRECO som til nå har avgrenset regnskapsplikten til bare å gjelde inntektsregnskap. Selv om risikoen for korrupsjon regnes som liten i Norge, mener jeg det er bra at vi nå gjør noe med

Jeg mener at de endringene som vedtas i dag, ivaretar den balansen på en god måte. Plikten til å sende inn årlige inntektsregnskap blir utvidet til å gjelde fullstendige regnskap, men på samme måte som tidligere kan omtrent 80 pst. av partilagene nøye seg med forenklet rapportering. Det innebærer en erklæring om at partilaget ikke har mer enn 12 000 kr i inntekter i løpet av året året – etter at offentlig støtte er trukket fra. Det forutsettes at nye forskrifter om regnskap og bokføring skal være enkle å forstå. Det ligger også inne en forutsetning om at SSB ordner en god veileder for innrapportering, og Partilovnemnda vil bli pålagt et veiledningsansvar overfor partiene. I sum mener jeg dette vil ivareta med frivillig arbeidskraft og begrensede økonomiske ressurser. Senterpartiet støtter også forslaget om økt innsyn i finansiering av valgkamper. Det er viktig at velgerne er kjent med økonomiske bidrag og eventuelle bindinger til enkeltpersoner før de stemmer. Vi har merket oss at regjeringen har vurdert nytte og kostnader ved å innføre og at man har lagt hovedvekt på GRECOs vurderinger som internasjonalt ekspertorgan på temaet partifinansiering. Det er viktig å påpeke at selv om systemet innebærer økt åpenhet om hva partiene bruker inntektene til, legges det ikke opp til begrensninger i partienes autonomi når det gjelder hva de bruker partistøtten til. Særlig i et land som Norge, med stor grad av offentlig partifinansiering, er det viktig å ivareta partienes uavhengighet og at det ikke er offentlige bindinger med hensyn til hvordan partilagene disponerer sine midler. Det er uvurderlig viktig for

verken svekker demokratiet, det politiske arbeidet eller det fantastiske engasjementet vi ser landet over. Det er viktig at oppgaver som skal styrke innsyn og åpenhet i partiene, ikke medfører et stort skjemavelde og rapporteringsbehov og negativt påvirker viljen til å engasjere seg i poltikken. Jeg er blant dem som frykter at denne lovendringen kanskje er et skritt i den retningen. Vi ser at lokalleddet allerede bruker mye tid og ressurser på rapporteringer. Det er viktig at ikke det politiske arbeidet druknes av formaliteter og skjemaer, men at det brennende engasjementet for å endre lokalsamfunn, regioner, landet eller verden, fremdeles holdes i live. Jeg er redd for at stadige rapporter, skjemaer og frister vil gi økt fare for at vi mister en rekke ressurspersoner i politikken, personer som egentlig ble med for å gjøre en forskjell politisk, men som ble møtt av en vegg av formaliteter. Samtidig ønsker jeg ikke å underslå den betydningen et godt regelverk for drift av partier har for å sikre at fellesskapets penger som gis gjennom partistøtten, forvaltes forsvarlig, og selvsagt i tråd med hensikten. Også her må vi kunne finne en gyllen middelvei. Et for uklart og løst regelverk vil kunne gi grobunn for spekulasjoner om hvorvidt partiene forvalter pengene etter hensikten, og således skade demokratiet. Samtidig vil et for rigid regelverk kunne skape unødig mye byråkrati, som på sin side kan føre til at enda færre deltar aktivt i politisk arbeid. politisk arbeid. Som fastslått av en samlet komité, er det ikke kommet opp vesentlige momenter eller erfaringer som tilsier at den partiloven vi har i dag, har mangler som gir behov for betydelige innstramminger for å sikre åpenhet eller motvirke korrupsjon. Når dette er sagt, vil jeg presisere at Kristelig Folkeparti stiller seg bak regjeringens mange forslag til endringer. Det er imidlertid behov for en avklaring på særlig ett område, nemlig finansieringen. Jeg er urolig over signalet som er kommet fra regjeringen om at kostnadene knyttet til administrering av ordningen, skal finansieres gjennom partistøtten. Det har ikke vært en realvekst i partistøtten de siste årene, noe som har medført at partier – særlig de som ikke har store partiapparater og god pengestøtte i ryggen – har fått mindre

Det gir forskyvninger i samfunnet, der lommeboka gis en sterkere stemme og økt innflytelse. Derfor ser jeg det som naturlig at regjeringen ikke lemper denne regningen over på partiene, men selv tar ansvaret for administrering og finansiering. Til slutt vil jeg berømme saksordføreren for et veldig godt arbeid, der både de positive hensiktene og virkningene av lovforslagene, samt utfordringer knyttet til gjennomføringen, har blitt belyst på en god måte. Helt avslutningsvis: Når det gjelder skattefradrag – som vi foreslår – tenker vi at det skal være på samme måte som med skattefradrag til frivillige lag og organisasjoner, der summen er 12 000 kr, sånn at det ikke er noen usikkerhet knyttet til hva vi mener med dette, og hvilke beløp vi snakker om. Norge har en høy profil i internasjonalt antikorrupsjonsarbeid. Vi gir uttrykk for nulltoleranse overfor korrupsjon. Norge er blant de land som kommer best ut i internasjonale korrupsjonsstudier. Jeg viser bl.a. til Verdensbankens rapport fra i høst, hvor vi oppnådde svært høy score. Selv om risikoen for korrupsjon i politiske systemer i Norge vurderes som liten, er det viktig at vi viser vilje og evne til forebygging. Bare slik kan vi opprettholde tilliten til at politiske beslutninger blir fattet på grunnlag av demokratiske prinsipper. Det er viktig å vise at økonomiske bidrag fra enkeltpersoner og organisasjoner ikke gir politisk innflytelse utover det den vanlige velgeren har. Ved å følge opp anbefalingene fra GRECO viser vi at vi tar arbeidet med sikring av I mange land er særlig innsyn i valgkampfinansieringen sett på som en svært viktig del av allmennhetens innsynsrett – dette for at velgerne skal ha oppdatert informasjon om økonomiske bindinger mellom parti, kandidater og bidragsytere før de går til valg. Norske velgere gis i dag innsyn i partigaver som på valgdagen er fra 9 til I tillegg til at opplysninger er gamle, har Norge relativt høye terskelverdier for når identiteten til giver skal oppgis. Regjeringens forslag om å oppgi identiteten til givere bak bidrag over 10 000 kr under valgkampen, må kunne sies å være en nokså romslig grense. Til sammenlikning er kravet satt så lavt som 50 dollar i USA, uten at det ser ut til å ha skremt noen. Løpende innrapportering før valgdagen i valgår gir åpenhet for velgere og konkurrerende partier i den viktigste delen av valgkampperioden. Komiteen har fokus på at store midler kanaliseres utenom partiene i valgkampen, og det er behov for mer Jeg viser til at dette er ivaretatt i lovforslaget ved at ordningen også vil omfatte bidrag til organisasjoner og enheter som er direkte eller indirekte kontrollert av et parti eller partiledd, eller som på annen måte er knyttet til partiene. Regjeringen foreslår at plikten til å sende inn årlige inntektsregnskaper utvides til å gjelde fullstendige regnskaper. Dette vil gjøre det enklere å kontrollere at inntektene som rapporteres inn, er riktige og fullstendige.

Når Partilovnemnda gis myndighet til å kontrollere riktigheten av innberettede opplysninger, gjelder dette opplysninger som har betydning for finansieringen. Det er lagt særlig vekt på at partiene skal ha mulighet selv til å bidra til oppklaring i enkeltsaker før det eventuelt foretas nærmere kontroll. Partirevisjonsutvalget, som er nemndens kontrollorgan, har etter forslaget også

Plikten til å innrapportere valgkampbidrag gjøres gjeldende for stortingsvalget i 2013. Det blir replikkordskifte. Fremskrittspartiet har lagt fram et forslag om at institusjoner og organisasjoner som mottar direkte støtte fra staten, ikke skal kunne være med og gi valgkampstøtte til politiske partier. Ser ikke statsråden at det kan være en utfordring at organisasjoner som får statsstøtte, får bevilget penger fra regjeringen – sågar penger som er bevilget direkte av en statsråd

Poenget som representanten Ørsal Johansen tar opp, er det grunn til å følge nøye med på. Men vi har ingen begrep i dag om hvorvidt dette er en problemstilling, for vi har ikke noen oversikt over hvordan innrapporteringen er. På bakgrunn av de nye systemene som nå etableres, vil vi ha full mulighet til å kunne gjøre vurderinger av om det faktisk er et problem. Jeg har registrert at Fremskrittspartiet i så vidt jeg forstår, et forslag som handler om indirekte og direkte støtte til organisasjoner. Det kan være en krevende avgrensning å se på hva som er indirekte støtte, så det må vi komme tilbake til når vi gjennom de nye rapporteringsrutinene eventuelt ser om dette er et faktisk problem.

Så viser flertallet og statsråden til § 20 fjerde ledd som innebærer innsyn i «Bidrag til organisasjoner eller enheter som direkte eller indirekte kontrolleres av eller på annen måte er knyttet til parti eller partiledd». Det er ikke noe problem. Problemet er jo det motsatte, når store organisasjoner som ikke er kontrollert av Arbeiderpartiet eller Høyre, f.eks. NHO eller LO, gir store bidrag eller driver egne kampanjer i forbindelse med en valgkamp.

Jeg tror det er stor åpenhet omkring det at andre organisasjoner enn de politiske partiene og dem de har kontroll på, har synspunkter som de viderefører Det tror jeg det er ganske stor åpenhet om, og jeg tror vi som velgere evner å se at det er en del av den ytringsfriheten som organisasjoner har, uten at vi behøver å innlemme det og sette ned et offentlig utvalg som identifiserer at det skjer i løpet av en

drift av de politiske partiene, må vi komme tilbake til i de årlige budsjettene. Det er fritt fram for å legge føringer for både hvordan den eksisterende partistøtten brukes, og eventuelt om man skal øke bevilgningen til partiene, som gjør at man kan dekke de kostnader som påløper innenfor den ordningen som nå blir framlagt. Til mitt første spørsmål forsto jeg det sånn at i stedet for å vedta et lovverk som hindrer at uheldige episoder kan oppstå og

før hun gjør noe. Hun vil altså ikke forhindre, men hun vil gå inn når det eventuelt har skjedd. Har jeg forstått statsråden riktig da? I lovverket i dag er det gitt regler for selskaper som er eid eller delvis eid av det offentlige, det er tatt inn i dagens gjennom forskjellige støtteordninger. Da må man gå inn og se på om de organisasjonene som nå drar nytte av forskjellige ordninger som staten har, f.eks. nedsatt arbeidsgiveravgift, vil rammes spesielt. Representanten Ørsal Johansen kan ikke si at det ikke er en indirekte støtte til de organisasjonene. Før vi har sett at dette her faktisk er et problem, vil jeg iallfall ha sett dokumentasjon på det. Jeg vil heller ikke definere det som korrupsjon, sånn som representanten Ørsal Johansen gjør. Replikkordskiftet er

omme. Jeg takker for mange gode innlegg. Det var imidlertid ett innlegg som bar mer preg av å være en slags start på valgkampen enn å være et innlegg i en debatt om partifinansiering. Det var representanten Sivertsen som sto og gledet seg over at han hadde funnet ut at Stein Erik Hagen hadde gitt bidrag til Høyre. Ja, han finner det jo ut fordi han kan gå inn på Høyres hjemmesider – der står alle økonomiske bidrag Høyre har fått i 2012. med strukturen til Arbeiderpartiet, men nå skal statsråd Rigmor Aasrud finne den – det blir veldig bra. Poenget vårt er at vi ønsker en kontinuerlig offentliggjøring av bidrag. Det er et stridstema der en samlet opposisjon mener at den regelen som er foreslått om særskilte beløp i valgår og om offentliggjøring tre dager før valget, er et så viktig poeng at det skal gjøres til en særbestemmelse i loven. Vi ønsker å ha en generell lov som kontinuerlig gir de samme pliktene. Derfor blir det feil å stå på talerstolen til Stortinget og harselere over at det faktisk er åpenhet om bidrag til Høyre. Det viser jo bare at dette fungerer. så er det tvert imot det motsatte som er faktum, og som da Sivertsen kan glede seg over og gjøre billige politiske poeng ut av. Det som er viktig med en partilov, er at det er enighet om hovedelementene i den. Det er det heldigvis, men i denne saken skiller opposisjonen og posisjonen seg på veldig mange områder. Det at Høyre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet har så mange felles forslag, innvarsler at dersom det skulle bli et regjeringsskifte, ville det antagelig bli en ny runde om partiloven. Jeg synes ikke det er spesielt heldig, og derfor mener jeg at det forarbeidet som er gjort her, er for dårlig. Når en vet at Martin Kolberg var med i Partifinansieringsutvalget i 2004–2005, som klarte å samle partiene om et felles opplegg for partifinansiering,

Det får jeg bare beklage. Jeg er glad for at Høyre er åpen om dette, på samme måte som Arbeiderpartiet er det. Selv om vi tydeligvis har noe å lære om hvor lett det er å finne fram på hjemmesidene, så publiserer også Arbeiderpartiet fortløpende sine gaver på nett. Vi har alltid vært åpne omkring det, og det skal vi fortsette å være.

så det må være greit å få på bordet. Representanten Bekkevold var opptatt av det byråkratiske ved rapportering og innberetningsplikt knyttet til terskelverdiene. Jeg har også vært partileder i et – i norsk sammenheng – relativt stort lokallag, så vi var omfattet av innberetning. Det var veldig ubyråkratisk. Den øvelsen vi gjør i eget partilag knyttet til eget årsmøte føre et regnskap, redegjøre for inntektene og ha orden på systemet – var mye mer krevende. Dette er et ikke et merarbeid, det handler bare om at flere får innsyn i det. Jeg er enig med representanten Helleland – som jeg sa i mitt første innlegg – i at det å ha bred politisk enighet er en god forutsetning for å lykkes i arbeidet. Men det er ikke sånn at det målet nødvendigvis er overordnet alle mål. I denne saken, som er knyttet til innsyn i bidrag før valget, mener vi altså at det er avgjørende – som jeg sa i sted – at velgerne er kjent med eventuelle bindinger som finnes, før de går til valgurnene, fordi det for noen kan være avgjørende for hvilket parti de ønsker å støtte og hvilke de ikke ønsker å støtte. Sånn er det av og til. Selv om vi har et ønske om enighet, er det av og til sånn at noen verdier går foran andre. Vi har i større grad vektlagt åpenhet og innsyn fordi vi mener det forebygger korrupsjon, heller enn å ta hensyn til at det medfører noen merkostnader og ulemper for enn å ta hensyn til at det medfører noen merkostnader og ulemper for noen Det var representanten Trond Helleland som inviterte til en liten kommentar fra min side. Vi har hatt flere møter med generalsekretærene i de politiske partiene. De politiske partiene har sågar avgitt en felles høringsuttalelse. Det var interessant. Det som var enda mer interessant, var at det ikke gikk mer enn et par dager før det kom egne høringsutspill fra de forskjellige partiene – iallfall fra ett av dem – som ikke var i samsvar med det som var den felles uttalelsen. Det var ikke helt lett å holde orden på hva man egentlig mente. Jeg kan også opplyse at hvis man trykker på knappen «Presse» på Arbeiderpartiets hjemmeside, finner man valgkampbidragene tilbake til 1999. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Utvikling skapes først og fremst av en sunn nasjonal politikk. Internasjonale forhold har betydning, men det helt avgjørende er

Politiske institusjoner og prosesser som sikrer maktfordeling, rettsstat, demokrati og menneskerettigheter, er helt sentrale. I tillegg kommer åpenhet mot omverdenen, som stimulerer til handel og private investeringer. Høyre vil legge større vekt på lokale myndigheters tilrettelegging for egen økonomisk utvikling. En åpen økonomi med stabile rammebetingelser som fremmer lokale og utenlandske investeringer, og som bidrar til økt handel, er en forutsetning for å skaffe skatteinntekter for offentlige tjenester og å vokse ut av fattigdom. Verden samlet har hatt en fantastisk velstandsutvikling. Først og fremst er det pga. økonomisk vekst at 450 millioner mennesker har arbeidet seg ut av fattigdom de siste 15 årene. Det har skjedd spesielt i land som Kina, India og Vietnam. De siste 50 årene har gjennomsnittsinntekten i verden blitt tredoblet. Fellesnevneren er en mer åpen økonomi og utstrakt internasjonal handel. Handel er den sterkeste drivkraften for økonomisk vekst og dermed for muligheten til å skape arbeidsplasser og økonomisk velstand. Det er fremdeles altfor mange fattige, men samtidig er det god grunn til å glede seg over at andelen fattige er på sitt laveste noen gang. Allerede i 1994 publiserte forskere ved Princeton University en forskningsrapport som viser en positiv sammenheng mellom velstandsnivå og miljøvern. Denne sammenhengen har siden blitt gjentatt i en rekke publikasjoner. For Høyre er dette svært viktig. Vi trenger på den ene siden økonomisk vekst for at nye millioner av mennesker skal kunne arbeide seg ut av fattigdom, men samtidig er vi avhengig av at klimagassutslipp og miljøødeleggelser reduseres kraftig. Et annet helt sentralt utviklingstrekk er at både antallet demokratier og andelen av befolkningen som bor i Ifølge Freedom House er tre fjerdedeler av alle land frie eller delvis frie. Antallet demokratier har blitt fordoblet de siste 30 årene. Det finnes ingen demokratier uten markedsøkonomi. Åpenhet og valgfrihet er fundamentale rettigheter for å gi mennesker makt og innflytelse. Frihandel og eiendomsrett er også sentrale komponenter. Lukkede land klarer bare i svært begrenset grad å levere økonomisk vekst og velferd for egen befolkning. Oxfam har beregnet at dersom Afrika økte sin andel av verdens eksport med bare én prosent, ville det gitt økte inntekter på om lag 70 mrd. dollar. Verdensbanken anslo i 2006 at utenlandske arbeidere sendte hjem 250 mrd. dollar. Bare på grunn av skatteunndragelse er det estimert at utviklingsland taper 160 mrd. dollar årlig. I tillegg kommer ulovlig kapitalflukt. Høyres målsettinger for utviklingspolitikken er å bidra til økt demokratisering, til realisering av menneskerettighetene og til at mennesker kan arbeide seg varig ut av fattigdom. Høyre vil aldri godta at utviklingspolitikken går på tvers av disse helt sentrale målene. Det er viktig å vektlegge samstemthet i utviklingspolitikken, dvs. å bidra til at all norsk politikk overfor fattige land trekker i samme retning, enten det gjelder handelspolitikk, bistand, utdanningspolitikk eller helsepolitikk. Alle stater, også fattige stater, har hovedansvaret for å innfri politiske, sivile, økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter for sine innbyggere. Høyre mener også at norsk utviklingspolitikk skal spille på lag med lokale politiske myndigheter der det er mulig, og oppmuntre til lokalt eierskap til prioriteringer og prosjekter som finansieres med norske midler. Et slikt ønske bygger på, og bygger opp under, demokratier, og vi vil kreve at vi aksepterer også beslutninger som vi ikke nødvendigvis er enige i. Men utvikling som går på tvers av universelle menneskerettigheter, vil Høyre alltid reagere sterkt på. Det er økonomisk vekst som har vært den sterkeste faktoren for, og bidragsyteren til, det store flertallet av mennesker som har arbeidet seg ut av fattigdom de siste 15 årene. Derfor er det et hovedmål for Høyre at vår utviklingspolitikk skal bidra til økonomisk vekst. De økonomiske forskjellene mellom land går generelt ned fordi fremvoksende økonomier vokser raskere enn de mest utviklede økonomiene. Her er det store ulikheter. Samtidig øker forskjellene internt i en rekke land, med hensyn til både inntekt og tilgang til grunnleggende velferdstjenester. Diskriminerte og fattige befolkningsgrupper får i de fleste regioner ikke ta del i den økonomiske veksten. Veksten må selvsagt fordeles for å innfri rettighetene til de aller fattigste. Det er en rekke årsaker til dårlig fordeling utover manglende eller dårlig fordelingspolitikk. Diskriminering og manglende reguleringer er i mange land de to viktigste forklaringene. Det er viktig å påpeke sammenhengen mellom fordeling og økt vekst. For Høyre er det viktig at hvert enkelt samarbeidsland skal ha større eierskap til egen økonomisk utvikling. Høyre ønsker å støtte samarbeidslandenes innsats for å styrke sitt utdannings- og helsesystem, slik at de fattige får tilgang til velferdstjenester. Styrking av skattesystemet vil også være et viktig virkemiddel. Slik kan vi bidra til å innfri rettighetene til fattige og marginaliserte befolkningsgrupper. Hvordan skattesystemet utvikles og veksten fordeles, er opp til hvert enkelt land, men vi kan bidra med vår kompetanse.

Norske egeninteresser må vike der de står i motstrid til disse målsettingene. Parallelt med en betydelig bistandsinnsats har Norge opprettholdt høye tollmurer og forsvart en handelspolitikk som skaper effektive barrierer mot utviklingslandenes eksportmuligheter. Det er påfallende å se selvmotsigelsene i norsk politikk. OECD har beregnet at landbruksstøtten i industrilandene utgjør 300 mrd. dollar per år, år, nær tre ganger så mye som all offisiell bistand. Å bedre utviklingslandenes muligheter til å delta i den globale økonomien er en forutsetning for at mennesker skal kunne arbeide seg varig ut av fattigdom. Handel og økonomisk vekst er de sterkeste drivkreftene for det. Korrupsjon er en av de sterkeste hemskoene for økonomisk utvikling. Korrupsjon undergraver rettsstat og demokrati, fører til avgjørelser som strider mot fellesskapets interesser, og virker avskrekkende på investorer. Dessverre er det de fattigste som rammes hardest av korrupsjon. De har ikke råd til å betale bestikkelser for å sikre sine rettigheter og må bære hovedbyrden av de konsekvenser korrupsjon har på samfunnsøkonomi, sysselsetting og miljø. Kamp mot korrupsjon blir således en avgjørende del av kampen mot fattigdom og et meget viktig verktøy for å gi individer mer makt over egne liv. Høyre vil legge større vekt på lokale myndigheters tilrettelegging for økonomisk utvikling. En åpen økonomi med stabile rammebetingelser som fremmer lokale og utenlandske investeringer og øker handelen, er en forutsetning for det. Hvilke konkrete tiltak som skal iverksettes for å sikre godt styresett, vil nødvendigvis variere fra land til land ettersom ulike land har ulike utfordringer. For Høyre vil imidlertid målene om parlamentarisk kontroll, kontroll, kontroll med myndighetene fra sivilsamfunnets side, kapasitetsbygging og antikorrupsjon ligge til grunn for utviklingspolitikken uansett nasjonale variasjoner. For å gjøre innsatsen mot fattigdom mer effektiv trengs mer målrettet innsats spesielt overfor utsatte grupper. Det er avgjørende for å demme opp mot stadig økende forskjeller, også i mellominntektsland. Jenter og kvinner, særlig de som bor på landsbygden, tilhører mange steder utsatte grupper. 70 pst. av verdens fattige er jenter og kvinner. Verdensbanken viste i sin årsrapport fra 2011 at diskriminering mot kvinner bremser økonomisk vekst og at satsingen på likestilling er et av de mest effektive virkemidlene i kampen mot fattigdom. Verdensbanken sier videre at mer politisk deltakelse fra kvinner fører til bedre offentlige tjenester, som vannforsyning, skolegang og mindre korrupsjon. FNs generalsekretær har hevdet at manglende likestilling bremser utviklingen innenfor alle de åtte tusenårsmålene.

stortingsmelding på nyåret som handler om nettopp rettferdig fordeling, demokrati og vekst, og det å ta en innledende debatt og høre hva opposisjonen bringer til torgs, er interessant for oss. Jeg tenker det er en god mulighet for oss, og også en god mulighet for opposisjonen til å gi innspill til stortingsmeldingen. Det overordnede målet med norsk utviklingspolitikk er fattigdomsbekjempelse og rettferdig fordeling. Grunnen er at det å slåss for samfunn med små forskjeller, er å slåss for samfunn der det er mer tillit mellom mennesker. Tillit mellom mennesker er avgjørende for å ha gode samfunn der mennesker kan leve gode liv, og det er også avgjørende for økonomisk vekst. American Economic Review vol. 100 slo fast at tillit mellom mennesker i et samfunn er den enkeltstående viktigste faktoren for å skape vekst i et Dette er verdier vi også setter høyt i det norske samfunnet. Bærekraftig økonomisk vekst er en nødvendig forutsetning for fattigdomsbekjempelse, spesielt i de fattigste landene. Men vekst alene er ikke en tilstrekkelig forutsetning. For å få gode samfunn, for å få en god utvikling i utviklingsland, må ulikhetene mellom folk reduseres. For store ulikheter er ikke bare negativt for samfunnet, men det hemmer økonomisk vekst og holder flere i fattigdom enn en mer rettferdig og klokere politikk ville gjort. Dette er erfaringene vi har gjort oss i Norge og i Norden, og det støttes av nyere utviklingsforskning. Som kjent har flere utviklingsland opplevd høy økonomisk vekst gjennom en årrekke. Dette har bidratt betydelig til at den ekstreme fattigdommen i verden har gått ned. Verdensbanken mener at FNs tusenårsmål nr. 1 – at andelen lutfattige i 2015 skal være halvert i forhold til 1990 – ble nådd allerede i 2010. De som er lutfattige – smak litt på det ordet – lever for under 1,25 dollar om dagen, altså for 7–8 kroner, og Verdensbanken anslår at det i 2008 var 620 millioner færre mennesker som levde under denne fattigdomsgrensen enn i 1990. Antallet lavinntektsland ble for øvrig halvert mellom 2000 og 2011, fra 66 til 32 land, og det er en positiv utvikling. Men Verdensbankens beregninger viser også at det er blitt langt flere som bare er litt over «lutfattigdomsgrensen» på 1,25 dollar om dagen å leve for, noe som betyr at en begrenset levestandardheving for de fattigste, og faren for å falle ut igjen i «lutfattigdom» er stor for mange. I tillegg har den største fattigdomsreduksjonen skjedd i Asia, og spesielt i Kina. Spesielt Afrika henger etter – ikke minst på grunn av høy befolkningsvekst og urettferdig fordeling. Nå bor langt flere enn før av verdens fattigste i de 108 landene som ifølge Verdensbanken var mellominntektsland i 2011, som interpellanten Skovholt Gitmark var inne på. Det betyr faktisk at mer enn sju av ti av dem som lever og er lutfattige, bor i de landene som er mellominntektsland. Det store flertallet av de fattigste bor nå altså i mellominntektsland. Jeg mener at det taler for at vi må rette langt større oppmerksomhet mot fordeling innad i land enn vi før har gjort for å nå de fattigste. Hvis vi bare driver en utviklingspolitikk overfor de fattigste landene, gir vi avkall på å gjøre noe for 70 pst. av verdens fattigste, og det er i hvert fall noe som ikke vår regjering er innstilt på å gjøre. Dette er viktig også fordi nyere forskning i regi av Verdensbanken viser at høy økonomisk vekst i seg selv ikke fører til bedre fordeling innen land. Andelen fattige i et land blir med andre ord ikke nødvendigvis mindre selv om landet opplever høy vekst, og antallet fattige faller. Det viser seg dessuten at jo høyere de økonomiske ulikhetene er i et land i utgangspunktet, desto høyere må veksten være etterpå for å oppnå en nedgang i andelen fattige.

vekst. To eksempler kan illustrere dette: Indonesia hadde negativ økonomisk vekst på slutten av 1990-tallet, men klarte likevel å redusere andelen fattige gjennom en aktiv omfordelingspolitikk. Vekst er med andre ord ikke nødvendig for å få til avskaffing av fattige, men omfordelingspolitikk er nødvendig for å klare å få det til. I Peru, derimot, steg andelen fattige trass i nesten 4 pst. gjennomsnittlig økonomisk vekst i tiåret etter 1997. Med andre ord: vekst i tiåret etter 1997. Med andre ord: Vekst fører ikke nødvendigvis til en rettferdig fordeling og avskaffing av fattigdom. Dette viser hvor viktig en rettferdig og klok fordelingspolitikk er. En av de tingene som vi i hvert fall har fått knesatt veldig tydelig, er at det at ulikhet er nødvendig for å frigjøre kapital til investeringer, er helt feil. helt feil. Nobelprisvinneren Joseph Stiglitz sa det veldig tydelig i det første BBC-programmet som handlet om å avskaffe fattigdom. Han sa veldig tydelig at troen på at bare man har økonomisk vekst, så får man en «trickle down»-effekt, altså at veksten sprer seg nedover til alle, nå er noe vi erkjenner bare er nonsens! Viktige grunner til at stor grad av ulikhet kan hemme økonomisk vekst, er at det kan bidra til redusert samhold og tillit i samfunnet, til konflikt, og til å svekke institusjoner, demokratisk ansvarlighet, åpenhet og kritikk. Vi vet også at stor ulikhet i tilgang på utdanning og helse svekker vekstevnen, fordi det skaper ulikhet i muligheter. Effektiv fattigdomsreduksjon i utviklingsland krever en politikk som fremmer vekst – med jobber og rettferdig fordeling. Som Asiabanken sier, kan vekst og likhet ses som deler av en god sirkel: Større likhet i samfunnet legger til rette for høyere vekst. En aktiv omfordelingspolitikk har tre gunstige virkninger – den reduserer fattigdom på kort sikt, den legger til rette for at framtidig vekst mer effektivt reduserer fattigdom, og den forbedrer mulighetene for langsiktig vekst. En doktoravhandling ved Universitetet i Oslo i 2010 fant for øvrig at den økonomiske veksten historisk sett har vært høyere i demokratier enn i autoritært styrte land. For å spissformulere det: Du kan godt finne én diktator som er opptatt av folket sitt, men du finner sjelden tre stykker på rad. Dette er spesielt viktig for mellominntektsland, som har mer å fordele, og der de fleste fattige bor. Gjennomsnittsinntekten her er høyere enn i de fattigste landene, men den er veldig ulikt fordelt. Forskning antyder at omfanget av omfordelingen i samme land ikke behøver å være stort for å utrydde ekstrem fattigdom mindre enn 1 pst. av brutto innenlandsprodukt. Det skal med andre ord ikke mye til for å avskaffe fattigdom; det handler om politisk vilje i de landene vi snakker om. I tillegg mener jeg at utviklingsland i mellominntektsgruppen bør vurdere mer aktive omfordelingstiltak, for alle må se sin egen politikk i forhold til hvordan landet selv er. Norges innsats må være todelt: I en del land hvor vi har en lang samarbeidshistorie, kan vi engasjere oss aktivt i direkte dialog med myndighetene. Her kan vi også bruke bistanden strategisk, rettet inn mot konkrete tiltak som vil bedre fordelingen. Men det vil også være viktig å bidra til større internasjonal oppmerksomhet rundt fordelingspolitikken. I så måte vil det være viktig å styrke FN-organisasjonen og Verdensbankens mulighet til å fremme gode strategier. I forrige uke møtte jeg Verdensbankens nye leder og sa klart ifra at fra Norges side er det å sørge for at Verdensbankens programmer i fattige land er innrettet med en klar fordelingspolitikk, å ha en klar fordelingsprofil, er avgjørende for våre bidrag. Jeg tror forholdet mellom rettferdig fordeling, demokrati og vekst vil stå stadig mer sentralt i Maktforskyvningen i verden på grunn av framgangen til nye stormakter har etter min mening ført til en for ensidig vektlegging av økonomisk vekst i kampen mot fattigdom. Jeg ønsker at Norge skal være en spydspiss, ikke bare for bærekraftig og grønn vekst, men også for en rettferdigere fordeling og for demokrati i utviklingslandene. Det er ikke bare moralsk og etisk riktig; det er faktisk også det som best fremmer både fattigdomsreduksjon

vekst. Økonomisk vekst blir høyere med en god fordelingspolitikk. Økonomisk vekst blir høyere med økt handel, med likestilling, med kampen mot korrupsjon, med respekt for miljøet, med demokrati og med realisering av menneskerettighetene. Det er derfor Høyre ikke utelukkende snakker om økonomisk vekst, men om alt som bidrar til den. Det er arbeidsplasser som gir mennesker muligheten til å arbeide seg ut av fattigdom. Vi løfter ingen ut av fattigdom. Arbeidsplasser gir en mulighet for at folk selv kan arbeide seg ut av fattigdom. Jeg står her med et utsnitt fra Aftenposten 18. mai 2012. Der er det en avgått utviklingsminister, Erik Solheim, som sier at høyresiden hadde rett når de snakket om økonomisk vekst, at det måtte en sosialist til for å si det. Nå forstår jeg at Solheim har mistet noe av troverdigheten sin internt i SV når han lefler med Arbeiderpartiet, men jeg håper at utviklingsministeren er villig til å se på det. For det jeg oppfatter, er at utviklingsministeren er på vei bort fra viktigheten av økonomisk vekst. La meg ta litt av skylden for at høyresiden har vært for opptatt av økonomisk vekst. Men summen må være at god fordelingspolitikk på den ene siden og økonomisk vekst på den andre er grunnleggende for at mennesker skal ha muligheten til å arbeide seg ut av fattigdom. Jeg har to konkrete spørsmål til statsråden. Hvor langt er statsråden villig til å gå for å tvinge utviklingsland til å endre sin nasjonale politikk, som f.eks. skattesystem? Vil statsråden fjerne norsk støtte til land som ikke ønsker å gjøre den typen endringer? Jeg håper statsråden svarer. I FN-meldingen som ble presentert av regjeringen for Stortinget for kort tid siden, står det på side 107:

La meg avslutte med det aller viktigste: Økonomisk vekst, næringsutvikling, det å skape arbeidsplasser, demokrati, rettsstat, menneskerettigheter, åpenhet og antikorrupsjon – summen av dette gjør det mulig for mennesker å arbeide seg ut av fattigdom. Jeg la merke til at Peter Skovholt Gitmark ikke siterte forskeren Kalle Moene, som er ved Universitetet i Oslo og ESOP-senteret der, som nettopp ser på velferdsstat og utvikling, og på de to tingene i sammenheng. Han var dagen etter ute og ga tydelig beskjed om at det var forfeilet å tro at økonomisk vekst alene avskaffer fattigdom og skaper en rettferdig fordeling, med andre ord gode samfunn. Han peker tvert imot på nettopp styrken med de norske erfaringene, som sier man lager en god fordelingspolitikk, legger man til rette for en økonomisk utvikling som er positiv og som ikke bare kommer de rikeste til gode, men som kommer alle til gode. Jeg har aldri tidligere hørt høyresiden i Norge ivre for rettferdig fordeling, verken nasjonalt eller internasjonalt. Mitt poeng er at om man skal lykkes med en politikk for rettferdig fordeling, både i Norge og i utviklingsland, må man ha det som et mål. Hvis ikke, lykkes man ikke. I hele perioden fra 2001 til 2005 økte forskjellene i Norge fordi det aldri var noe mål for høyresiden å redusere de økonomiske forskjellene. Derfor har jeg heller ingen tro på at høyresiden vil jobbe internasjonalt for å redusere de økonomiske forskjellene mellom land. Jeg hørte aldri Jeg hørte aldri at Peter Skovholt Gitmark og representanter fra Høyre var ute og kritiserte når Verdensbanken stilte krav om privatisering, om nedskalering og nedbygging av offentlige tjenester, som Verdensbanken bl.a. gjorde i strukturtilpasningsprogrammene sine på 1990-tallet. Jeg har aldri hørt høyresiden være ute og protestere mot det, som altså var et påtrykk internasjonalt for å føre høyrepolitikk i utviklingsland. Men nå kommer Peter Skovholt Gitmark opp og sier: Hvorfor i all verden vil dere at utviklingsland skal drive en politikk for rettferdig fordeling? Vel, det skal jeg si ham. Det er fordi vi mener at det er det som er den vellykkede oppskriften. Noe annet vil være naivt. La meg gi én god begrunnelse for hvorfor det er sånn. Representanten Skovholt Gitmark spurte hvor langt vi vil gripe inn i et skattesystem i et utviklingsland. Vel, vi kan komme med anbefalinger, vi kan komme med si at et land som har fryktelig lav skatteandel – kanskje mellom 10 og 20 pst. ; i Norge ligger vi på 44 pst. av brutto nasjonalprodukt – hvis man ligger nede og selv har så lav skatteinngang, synes ikke jeg det er urimelig at når vi ber alenemødre på Tøyen stille opp med skattepenger for å finansiere utvikling i utviklingsland, i fattige land, skal vi jammen sørge for at også de rikeste i det landet er med på å bidra og sørger for utvikling og fattigdomsbekjempelse i sitt eget land. Det mener jeg er et rimelig krav, og jeg mener at en politikk som ikke har det kravet, en naiv utviklingspolitikk som jeg mener at det norske folk ikke bør føre. Jeg er glad for at interpellanten har gitt Stortinget muligheten til å diskutere fordeling i land som tiltak i utviklingspolitikken, men jeg tror at jeg kanskje har en litt annen tilnærming til enn det han har. Økonomisk utvikling, maktforskyvninger, klimaendringer, befolkningsvekst, press på naturressurser og store migrasjonsstrømmer endrer verden og dermed også rammene for utviklingspolitikken. En rekke land i sør har nå høyere økonomisk vekst enn vi finner i mange land på den nordlige halvkule. Økonomisk vekst har flere steder løftet store folkegrupper ut av fattigdom. Samtidig har ulikheten økt innad i en rekke land. pst. av verdens fattige bor i mellominntektsland, som statsråden var inne på. Hvis vi skal bekjempe fattigdom og virkelig mener det, kommer vi ikke unna at vi må se på fordeling som tiltak. I Arbeiderpartiet snakker vi ofte om å skape og dele i Norge. Men det å skape og dele er like viktig i utviklingspolitikken. Det er nødvendig at verdier skapes, at vi bidrar til at land får økonomisk vekst, men samtidig at den veksten fordeles – og omvendt: Bedre fordeling skaper bedre produktivitet, fordi flere blir i stand til å delta. Økonomisk vekst og fordeling henger sammen for å få et godt velferdssamfunn. Det har vi lært i Norge. Og hva er det viktigste for både å få vekst og å få folk ut av fattigdom? Det er at folk har en inntekt, altså arbeid. Nesten to milliarder mennesker i arbeidsfør alder er uten arbeid, og da særlig mange kvinner. Mange i Norge snakker om at vi er et rikt land bare på grunn av oljen. Det er feil. Vi har den velstanden vi har mest av alt fordi folk er i arbeid, både menn og kvinner. Jeg mener derfor at jobbskaping, arbeid, skal stå sentralt i utviklingspolitikken. Da er det viktig å bygge infrastruktur. Å få investeringer i privat sektor er en drivkraft, men man må samtidig være på vakt og stille krav om at hensyn til miljø, menneskerettigheter og faglige rettigheter respekteres. Offentlig sektor vil selvfølgelig også være viktig i et arbeidsmarked. Norge har flere ting vi kan bidra med når det gjelder f.eks. investeringer, men ikke minst kan vi bidra med kompetanse og erfaringer når det gjelder organisering av arbeidslivet, som de erfaringene vi har med partssamarbeid i arbeidslivet, noe mange land faktisk er interessert i å lære mer om. For at folk skal kunne være i arbeid, og for å være produktiv, må man ha dekket grunnleggende behov, som rett til mat, helse og utdanning. Der skal vi også bidra. Mange kaller dette for tradisjonell bistand. Jeg mener det er en forutsetning for å nå andre mål i utviklingspolitikken. Rettferdig fordeling handler etter mitt syn mye om å ha gode skattesystemer i en fungerende stat. Jeg er derfor stor tilhenger av programmet Skatt for utvikling. Mange land har store naturressurser som skal forvaltes. Programmet Olje for utvikling, hvor Norge bistår en rekke land, er f.eks. veldig bra, men det er ikke gitt at de inntektene som kommer til en stat fra disse ressursene, kommer folket til gode. Det handler om fordeling, det handler om å gi fellesgoder til alle. Demokratiske rettigheter, aktive borgere og sterke organisasjoner er viktige pilarer for bærekraftige demokratier og utvikling. Dette er også viktig for å få trykk på at godene skal fordeles. Det bør derfor være helt sentralt å bidra til å styrke utviklingen av og rollen til det sivile samfunn, fagbevegelse og frie medier. Representanten Skovholt Gitmark stiller spørsmål om det han kaller å tvinge, eller gripe inn, med fordelingstiltak. Hvis vi skal bekjempe fattigdom, kommer vi ikke unna spørsmålet om fordeling. Jeg mener det ikke er å gripe inn å gi støtte til sivilsamfunn og fagbevegelse. Jeg mener ikke det er å gripe inn å gi råd om skattesystemer, forvaltning av naturressurser og fordelen av å gi folk helse og utdanning. Jeg stusser derfor litt over at det å jobbe for rettferdig fordeling blir oppfattet som å gripe inn. Det finnes partier her på Stortinget som mener at man skal stille knallharde betingelser til land før vi gir bistand, f.eks. krav om liberalisering og å åpne opp for mer frihandel. Det er liksom greit – men ikke å forvente eller jobbe for at land vi gir bistand til, faktisk skal fordele godene til hele folket. For meg handler utvikling om at alle mennesker skal løftes. Gjennom mange tiltak, slik som fordeling, kan vi bidra. Jeg må si at jeg synes utviklingsministeren har gjort glimrende rede for fordelingspolitikk som virkemiddel i dag, og jeg ser fram til en spennende debatt.
man nesten tro at han har funnet løsningen på hvordan man skal bekjempe verdens fattigdom, og spesielt i de fattigste landene. Det står i ganske sterk kontrast til SVs valgløfte fra 2005, da de lovet å fjerne fattigdommen i Norge med et pennestrøk. Men selv det har de altså ikke greid. Alle land som har prøvd sosialisme som virkemiddel for å bekjempe fattigdom, har altså mislyktes. Det er noe selvmotsigende i regjeringens politikk overfor verdens fattige land. På den ene siden vil regjeringen træ det den kaller den norske modellen over hodet på u-landene. Dette innebærer innføring av høye skatter og avgifter og en slags fordelingspolitikk etter et slags Robin Hood-prinsipp, der kaken skal deles og alle skal få en lik del. På den annen side virker regjeringen oppsiktsvekkende lite interessert i hvordan det står til med demokrati og menneskerettigheter i de samme landene. Et slående eksempel på dette er Etiopia. Både utviklingsminister Eidsvoll Holmås og hans forgjenger har trykket landets statsminister, Hailemariam Desalegn, og hans forgjenger, Meles Zenawi, til sine at Etiopia i dag fremstår som et av Afrikas aller hardeste diktaturer. Verden for øvrig har mye å lære av de vestlige landene, fortrinnsvis de landene som samarbeider i OECD. Men det er ikke kakedeling som har gjort disse landene så velstående. De er bygget opp gjennom århundrer med vellykkede bedriftsetableringer, hardt arbeid, kapitalisme, markedsøkonomi og frihandel – alle sammen. Noen mennesker har opparbeidet seg en liten formue og investert den i en eller annen produktiv virksomhet, ansatt folk, og bidratt til utvikling av økonomi og velstand som kommer alle til gode. Forsker Øyvind Eggen hos NUPI skrev nylig i en blogg at alle kaker bør fordeles best mulig, men at det er først når kaken er av en visse størrelse, at fordeling vil bidra vesentlig for de fattige. Videre skriver han: «Vekst avhjelper fattigdom. Det drypper nesten alltid litt på de fattige når økonomien vokser, både gjennom arbeidsplasser, skatt, etterspørsel etter lokale varer og en haug med uformelle mekanismer.» Han fortsetter om Afrika: Jeg skulle tro at det oppleves som «ganske provoserende at en av verdens rikeste stater skal «bevisstgjøre» lederne for noen av de fattigste statene om at løsningen ligger i lederne for noen av de fattigste statene om at løsningen ligger i fordeling framfor vekst. Det lukter formynderskap basert på en pinlig dårlig forståelse av hvor svak økonomien i mange av disse landene er.» Det er altså klar tale fra NUPI. En studie utført ved Helmut Schmidt-universitetet i Hamburg, under ledelse av professor Dierk Herzer, konkluderer forbeholdsløst med at bistand fører til økt ulikhet. Det samme konkluderer den danske forskeren Christian Bjørnskov med i en studie fra 2010. Det viktigste er derfor økonomisk vekst. Det å inkludere verdens fattige land i det internasjonale økonomiske samarbeidet er den retteste veien ut av fattigdommen. Det gir den beste sosiale profilen, og det løfter hele samfunnet samtidig. Økonomisk vekst gir grunnlaget for at utviklingslandene selv kan ta over ansvaret. Det gir ressursallokering til utbygging av veier, havner, boliger, energiproduksjon og -distribusjon. Det muliggjør rensing og fordelingsnett for vann og avløp, og det gjør det enklere å utvikle utdanningstilbud og helsevesen. Ikke minst viktig er det at økonomisk vekst gjør det lettere å utvikle demokrati og respekt

utviklingspolitikken. Det er, som statsråden også var inne på, også bra for arbeidet med stortingsmeldingen at vi har en debatt i forkant her i Stortinget. Interpellanten stiller et spørsmål i sin interpellasjon som gjør at jeg må innrømme at jeg ikke deler representanten Skovholt Gitmarks inngang til debatten. Jeg får lyst til å spørre tilbake: Er det slik at interpellanten mener at det er et motsetningsforhold mellom det å legge til rette for økonomisk vekst, og det å fremme økonomisk fordeling? En skulle nesten tro det på måten spørsmålet var formulert på – men det ble gitt litt andre signaler i innlegget. Jeg er helt overbevist om at mindre forskjeller gir en mer robust og bærekraftig vekst. Så er det godt at Høyre antyder at de er enig i det, men, i likhet med statsråden, har jeg ikke sett sterke tegn til det tidligere. Dette er vi også kjent med fra Norge. Norge. Norge er, trass i et høyt skattenivå, et svært godt land å drive næringsvirksomhet i. Den resepten Høyre foreskriver her hjemme, med store skattekutt og nedbygging av institusjonene som sikrer fordeling, vil ikke styrke norsk næringsliv, og det vil definitivt ikke gjøre forskjellene mindre. Det er liten grunn til å tro at det skulle være annerledes i andre land. Å bekjempe fattigdom internasjonalt krever presis innsats. Det krever ulike tiltak i ulike land, ulike tilnærminger, ulik politikk, men felles for alle er at det krever omfordeling, som igjen forutsetter tillit mellom mennesker og tillit til institusjoner – som igjen forutsetter bekjempelse av korrupsjon, skatteunndragelse osv. Det er ikke så lett at politiske friheter alene eller økonomisk vekst alene – som representanten fra Fremskrittspartiet var inne på

Så har Skovholt Gitmark helt rett i at likestilling, korrupsjonsbekjempelse og nettopp fordeling er forutsetninger for god økonomisk vekst. Det er nye og gode toner fra Høyre. Men derfor stusser jeg over at Skovholt Gitmark så tydelig i sitt innlegg sa at fattigdomsbekjempelse i mellominntektsland ikke er å anse som utviklingspolitikk, men som nasjonale fordelingspolitiske spørsmål. De fleste må jo ha fått med seg at fraværet av en fordelingspolitisk dimensjon og den ensidige vektleggingen på strukturtilpasningsprogrammer, liberalisering og privatisering – som Verdensbanken og IMF, f.eks., stod for på 1990-tallet, med elendige resultater for både lav- og mellominntektsland – nettopp så klart var en del av utviklingspolitikken som mange land førte for en periode tilbake. Det er ikke mer politisk å vektlegge fordeling, skatt, likestilling og skatt, likestilling og en velfungerende offentlig sektor enn å vektlegge økonomisk vekst alene. Det er bare ulike politiske syn som ligger til grunn. Det er ikke mer politisk også å vektlegge de økonomiske og sosiale menneskerettighetene enn bare å se deler av bilder. Til slutt: Peter N. Myhre svingte seg til de retoriske høyder i sitt innlegg og avla bl.a. SV en visitt. Til det er det vel egentlig bare å si at Norge jo skiller seg ut på ganske mange måter, og de rød-grønne har bidratt til at Norge skiller seg ut på enda et vis. Det er at vi er et av de få landene i den vestlige verden som de siste sju årene har hatt en nedgang i forskjellene. Dette vet nok egentlig også Fremskrittspartiet, for vi har sagt det ganske mange ganger. De later bare som om de ikke hører. Mens forskjellene har gått ned i Norge, har de økt i store deler av resten av verden. verden. Måten vi har fått redusert forskjellene på i Norge, er ved å bruke politiske virkemidler – som ifølge Fremskrittspartiet skulle ha ført til katastrofe for næringslivet her i Norge. Sånn gikk det jo ikke. Norge er etter alle solemerker et bedre land å drive næringsvirksomhet i i dag enn det var for sju år siden – nok et eksempel på at fordeling og vekst kan gå hånd i hånd. Men og kanskje spesielt Fremskrittspartiet, som må ta av seg sine ideologiske briller, og ikke vi rød-grønne. Jeg synes det er en interessant problemstilling som representanten

Det har også vært interessant å lytte til utviklingsminister Eidsvoll Holmås, ikke minst fordi vi av og til har hatt gleden av å lytte til hans forgjenger om disse temaene. Det er ganske fascinerende å se en klar kursendring fra tidligere statsråd til nåværende. Jeg skal ikke bruke for mye tid på det, men jeg har lyst til å minne forsamlingen om hva Solheim sa til sine ledere i UD. Han viste i 2008 til Dagbladets anmeldelse av boken The Bottom Billion av Paul Collier. Til ledermøtet kunngjorde han: «Jeg elsker økonomisk vekst! Det er for lite økonomisk vekst i fattige land. Vi trenger mer av det. Det er nøkkelen til å løse problemene i mange fattige

Det vi mener om dette temaet, er ganske velkjent. Vi har ført en konsistent politikk på dette området fra de regjeringsdeltakelser vi har hatt, til våre innstillinger i opposisjon. Vi trenger en mer konsistent politikk på dette området, en politikk som i høyere grad finner tilbake til den balanserte politikken som faktisk et bredt flertall i denne salen har stilt seg bak. Det må faktisk gå an å se utvikling og fordeling i sammenheng og at det er viktig at veksten kommer det brede lag av befolkningen til gode – det oppfattet jeg at statsråden var utvetydig på, i likhet med interpellanten – og ikke bare fører til en vedvarende opphopning av rikdom i en liten overklasse, noe vi vet at mange fattige land har altfor, altfor lang erfaring med. Derfor er det etter Kristelig Folkepartis mening viktig å styrke den brede tilnærmingen i forhold til de fattige befolkningslagene og sikre deres forutsetninger for å bedre sin situasjon. Hva bør vi da gjøre? Utdanning er selvfølgelig et hovedelement, og helse, som gir arbeidsevne og bedrer livskvaliteten, likeså. Dette er viktige innsatsområder, pluss noen andre elementer. Her synes jeg ikke det er snakk om at vi i Norge sitter og forteller hva andre land skal gjøre og ikke gjøre. Men vi viser til noen erfaringer som bidro til at dette landet i sin tid løftet det store og brede lag av befolkningen, f.eks. et godt skattesystem, hvordan vi forvalter våre naturressurser og at man har et sosialt sikkerhetsnett. Det er også kjerneelementer for å løfte mange i den fattige delen av verden når muligheten gis for det. Ellers vil jeg også utfordre regjeringen, som en samlet opposisjon har gjort senest i dette budsjettet, til å bruke oljefondet mer aktivt, til å investere i fattige land. En samlet opposisjon foreslår å sette av et fond på 10 mrd. kr, i første omgang for investeringer. På den måten kan også Norge bidra.

Man hadde en liten elite som hadde laget seg regler, som gjorde at vanlige folk ikke kunne drive handel. Vanlige folk var utestengt fra den økonomiske veksten som var i landet. Man hadde en liten elite som satt på toppen og tjente seg søkkrik. Hva gjorde man utover på 1800-tallet? Jo, man fjernet disse reglene. Man fjernet dem steg for steg, og man innførte næringsfrihet. Man sa at alle og enhver skulle få drive handel. Man trengte ikke borgerbrev og bo i en kjøpstad. Man forløste entreprenørene. Man slo fast prinsippet om næringsfrihet. Hva skjedde i løpet av 1800-tallet? Jo, gradvis den økonomiske veksten. Med industrialiseringen kom entreprenørene på banen og startet nye bedrifter og fabrikker. Hva skjedde? Velstanden bredte seg ut til det brede lag av folket, både i byene og på landsbygda. På den måten dro man det brede lag av befolkningen ut av fattigdommen. Hvis noen på det tidspunktet hadde kommet og sagt at nå skal man innføre en norsk modell, der man skal ha en stor offentlig sektor, der man skal ha et høyt skattenivå og alle de tingene, ville man sannsynligvis kvelt den positive økonomiske veksten som var fundamentet for dette. Så er vi enige i at man skal ha en fordelingspolitikk. Fremskrittspartiet har i alle år kritisert bistand som går til land der en diktator lever i sus og dus, mens befolkningen ellers lever på fattigdomsgrensen. Det er ikke noe nytt som har kommet nå. Det har vi sagt hele tiden. Vi har også sagt at den økonomiske utviklingen må ligge i bunnen. Det må være én kake å dele. Den må være stor nok til at man kan løfte hele befolkningen. Problemet i dag er at mange av de fattigste landene har et så lite bruttonasjonalprodukt, en så liten produksjon av inntekt i forhold til befolkningen, at hadde man delt ut alt, hadde man likevel hatt stor fattigdom i landet. For

entreprenørene som skaper de nye arbeidsplassene. Eva Kristin Hansen var i stad inne på arbeidsplasser – der er jeg helt enig med henne. Arbeidsplasser – det å gi folk en selvstendig inntekt – er sannsynligvis den beste måten man kan få folk ut av fattigdom på. Men skal man gjøre det, må man også ha de som skaper rom for entreprenørene, gi rom for vanlige folk til å starte sine småbedrifter, til å sette i gang sine virksomheter, slik at man ut fra det kan bygge produktivitet og ha et skattegrunnlag som igjen kan bidra til fordeling. Hvis man ikke begynner i rett ende, er jeg redd for at man kveler den økonomiske veksten som man egentlig er ute etter å bygge opp. Jeg tror at hvis man skal innføre den norske modellen i mange av disse landene, kan man oppnå to ting. Det ene man kan oppnå, er at disse landene får en offentlig sektor som er for stor i forhold til det de har kapasitet til å bære. Hva skjer da? Enten blir de enda mer avhengig av bistand fra den rike delen av verden for å klare å få budsjettet til å gå rundt, eller så havner de opp i et gjeldsproblem, som gjør at man havner i avhengighet. Det vi ønsker, er at disse landene skal få en økonomisk utvikling som gjør at de kan bevare sin verdighet, sin selvstendighet og uavhengighet og kan bygge opp sin egen motor. Hvilket system man skal ha for fordeling, er noe som må utvikles i hvert enkelt land. Man kan ikke komme utenfra og si at ting skal fordeles slik eller slik. Det må være interne mekanismer som utvikles i hvert enkelt land, som gjør at man får en god fordelingsprofil i de enkelte landene. Da tror jeg også det er nødvendig å bygge de politiske institusjonene og bygge opp rettssikkerhetsapparatet slik at man sikrer en god utvikling. Det å tro at den norske modellen, med stor offentlig sektor og høy skatteprosent jeg er et sidespor. Det tror jeg kan føre mange av disse landene inn i en verre situasjon. Det disse landene trenger minst, er et eksperiment med norsk sosialistisk nyimperialisme som skal settes ut i livet i disse landene. Jeg takker også for debatten, for den er

Historien om «trickle-down» er et eventyr – det er ikke sant. Det fungerer ikke. Det er ingen som har sagt at man skal presse en norsk modell på et annet land. Det som er sagt, er at fordeling virker. Fordeling er utvikling. Det har det vært i Norge, og det har ikke kommet av seg selv kun som et resultat av at man har fjernet handelsprivilegier. Det har blitt kjempet fram av en politisk bevegelse, av frivillige organisasjoner og ikke minst av en sterk fagbevegelse – at folk har organisert seg. Det har sivilisert Norge, og det har fordelt penger og makt. Det har vært uhyre viktig, det har vært helt avgjørende for den utviklingen vi har hatt. Folk er nemlig den viktigste ressursen et land kan ha. ha. Hvis man ikke tar vare på folks helse, hvis man ikke lar folk få utdanne seg, hvis folk ikke har mat i kroppen, er det klart at da er det heller ikke mulig å få til en økonomisk vekst som er bærekraftig. Dette er viktig. Derfor har Norge sluttet seg til og er en av pådriverne til det som heter «Decent work»-agenda. Der legger man til grunn de åtte kjernekonvensjonene i ILO. Det er viktig, det å styrke arbeidstakernes rettigheter når det gjelder både arbeidsstandarder og en lønn man kan leve av, er reell fattigdomsbekjempelse. I tillegg er det super næringsutvikling, for det gjør at man får en mer utdannet arbeidsstokk, og man får en arbeidsstokk som faktisk er i stand til å ta vare på seg selv, sin egen helse og familien sin. sin. Den økonomien som man får når man får litt bedre lønn og litt mer å leve av, bidrar jo videre til økonomisk utvikling i samfunnene. Det er slik at hvis man er opptatt av demokrati, må man være opptatt av fattigdomsbekjempelse, for det lar seg ikke gjøre å tenke at folk som lever i fattigdom, ikke kan delta i demokratiet på lik linje med det som andre kan. Det vet vi, særlig fordi de økonomisk sterke interessene har store organisasjoner – transnasjonale – og de kan betale folk for å drive med påvirkningsarbeid. Det er uhyre viktig at folk har noe å leve av, sånn at de kan delta i demokratiet – sjølstendig og uten å føle seg truet. Til de som er opptatt av menneskerettigheter: Fordelingspolitikk sørger for at menneskerettighetene faktisk blir oppfylt, for menneskerettigheter er ikke noe det handler om fysiske ting som skal oppfylles i hverdagen til folk. Hvis man er opptatt av å bekjempe korrupsjon, er fattigdomsbekjempelse veldig viktig. En del av det som ligger til grunn for at korrupsjonen kan fortsette, er jo at en stor del av befolkningen er fattig og i total avmakt. Avmakt er et Hadde det vært sånn i verden at fattige folk hadde hatt like stor tilgang til media, til å delta i politisk arbeid eller hatt like stor mulighet til å påvirke som folk med penger har, hadde dette problemet faktisk vært litt mindre – men det er det jo ikke. Dette med fordeling av penger henger også meget nøye sammen med fordeling av makt i verden. så sterkt på «Decent work»-agendaen, og sier at den jobben skal vi gjøre gjennom ILO, som er det internasjonale trepartssamarbeidet der man fastsetter minimumsstandarder som er vesentlige for å få til den utviklingen vi alle er opptatt av. Det skal vi gjøre gjennom utenrikspolitikken, det skal gjøres gjennom bistandspolitikken, det skal gjøres gjennom handelspolitikken, det skal gjøres gjennom eierskapspolitikken, og det skal selvfølgelig gjøres gjennom arbeidspolitikken, både her i landet og i de internasjonale foraene der vi deltar. Det er uhyre viktig at dette blir gjennomført. Det handler ikke om at man har et imperialistisk forhold til den norske modellen. Det handler om at man forstår at hvis man vil ha utvikling, må man sikre bedre fordeling. Det er ingen motsetning mellom økonomisk vekst og rettferdig fordeling, men veksten må være bærekraftig.

og en nasjonal fordelingspolitikk – bare for å nevne noen av løsningene. Karin Andersen har helt rett når hun sier at fattigdom skyver mennesker bort fra demokratiet, og korrupsjon rammer de fattigste hardest. Det gjør at dette er kjernen i Høyres utviklingspolitikk. Jeg er skuffet over at statsråden i løpet av debatten ikke har vært villig til å svare konkret på mitt spørsmål. spørsmål. Spørsmålet er – og jeg håper statsråden nå svarer: Vil statsråd Eidsvoll Holmås forsøke å tvinge frem endringer i skattesystemet i et land som er mottaker av norsk utviklingsstøtte? Mye av debatten har vist at det er stor grad av enighet. Spesielt det tette båndet som er mellom Kristelig Folkeparti og Høyre viser

vi kan bruke norsk utviklingspolitikk til å vise de positive sidene ved å endre skattesystemet for å få flere inkludert i skattesystemet og få opp skatteandelen. Jeg er helt enig i at det er grunnleggende positivt. Vi skal ikke sitte likegyldig og se på det, det er jeg også helt enig i. Til representanten Eva Kristin Hansen vil jeg si: Nei, det er ikke å gripe inn å støtte sivilsamfunnet. Det er ikke å gripe inn i et lands indre anliggende å støtte fagbevegelse eller gi råd om skattesystemet. Det er tvert imot god utviklingspolitikk. Men det er å gripe inn hvis man ønsker å tvinge frem endringer i skattesystemet – og det er det vi så langt ikke har fått Jeg vil avslutte debatten med å si at jeg tror ikke det er et sug i verden – som i Norge – etter mer SV-politikk, men det er et sug etter økt økonomisk vekst og bedre

Høyre i for liten grad virker å være opptatt av hvordan den økonomiske veksten fordeles. For hvis man sier vekst først, og så tar vi det andre i politikken etterpå, ender man veldig fort opp i en situasjon der man nettopp får pengeansamling, Det undergraver etter min oppfatning både demokrati og mulighet for deltakelse. Jeg tenker at en av de viktige erfaringene vi har fra den tiden da vi gikk fra å være lutfattige til å bli et av verdens rikeste land – i løpet av de siste 100 årene – slik Torkil Åmland var inne på, var nettopp at vi var opptatt av at måten vi fordelte verdiskapingen i produksjonen på, skulle være mer rettferdig. Nettopp det å jobbe fagbevegelse og bondeorganisasjoner, som sørget for at inntektene av produksjonen og inntektene av landbruket ble fordelt langs hele verdikjeden helt fra starten av, var det sentrale i diskusjonen. Hadde en sagt at nå lar vi på en måte pengene gå opp, og så får vi ta formuesskatt til slutt, vet vi akkurat hvordan det hadde gått. Da hadde høyresiden sagt at formuesskatt er vi imot, for det er dumt, og så får en ikke til en fordelingspolitikk. Det er jo nettopp politikken som fører til fordelingen i hele denne kjeden, som er sentralt. For å unngå å polemisere – la meg svare på spørsmålet om Holmås vil tvinge fram endringer i andre lands skattesystemer. Jeg skal svare litt utvidet på det. Når det gjelder ideen om tvang: Det er veldig begrenset hva et land kan gjøre ved å tvinge. Men vi kan stille betingelser for bistand, og det tenker jeg vi skal gjøre. Det mener jeg er helt riktig. Ta følgende eksempel: Vi driver f.eks. med Olje for Utvikling. Olje for Utvikling driver vi med i veldig mange land som har olje. Hvis vi gjennom vårt Olje for Utvikling-program bidrar til å øke skatteinntektene, inngangen av inntektene til et land, f.eks. gjennom økt produktivitet, og vi ser at pengene fordeles bare til noen få – de kommer ikke hele landet til gode – er det da et land vi skal prioritere å drive Olje for Utvikling-arbeid i? Når det gjelder Skatt for utvikling, er det akkurat det samme. Hvis vi gjennom våre programmer bidrar til

LHBT-befolkningen er i den offentlige debatt og i myndighetenes arbeid en gruppe som fortsatt i stor grad blir utelatt – det er derfor jeg for tredje gang prøver å løfte denne problemstillingen, eller deler av den – og som trenger større grad av støtte og hjelp. LHBT-perspektivet må i større grad enn i dag inkluderes i det offentliges arbeid og i den offentlige debatt.

bifile og transpersoner med minoritetsbakgrunn – fremlagt. I denne boken forteller noen av dem som har opplevd virkeligheten på kroppen, sine historier. Navnene er selvfølgelig anonymisert. «Kristian» flyktet fra et arabisk land for å kunne leve trygt som homofil. Ironisk nok var det i Trondheim livet hans ble alvorlig truet for første gang. Han overlevde, men livet ble ikke lenger det samme. Nå ser han seg over skulderen hver gang han er ute. Mannen som gjorde det mot ham, har sonet ferdig og går fritt i gatene. Det var ikke slik Kristian hadde sett for seg livet i et nytt land. Han tenker tilbake og husker at han hadde det godt til han ble ferdig på universitetet som 23-åring i hjemlandet sitt. Da hadde han utfordret toleransen for homofili der så mye at han ikke torde bli lenger. Dessuten nærmet tiden for ekteskap seg, syntes hans familie. Så lenge han studerte, kunne han skylde på studier, men etter hvert ble det forventet at han skulle gifte seg. I hans hjemland er det vanlig at politiet utgir seg for å være homofile for å avsløre folk, og det var nettopp det som skjedde med ham. Han ble banket opp av politiet og truet med pistol for å innrømme at han var homofil. Etter den episoden flyktet han til Norge og ble her utsatt for et angrep som var enda verre, av mennesker av en annen etnisk tilhørighet enn flertallet. Etter dette ble situasjonen for ham verre på mottaket, hvor menn som Kristian risikerer å bli utsatt for grov vold og voldtekt. Mannen som angrep ham, er, som sagt, ute, og Kristian frykter at bekjente av ham, med samme etniske bakgrunn, vil fullføre angrepet på ham hvis de får se ham på gaten. Kristian er altså ikke trygg noe sted, verken i hjemlandet sitt eller her. Det er en skjebne han deler med flere, f.eks. somaliske «Kent», som nå lever et krevende dobbeltliv for ikke å miste familien. Arrene på ryggen hans forteller om sist de fikk mistanke om at han hadde en annen Eller asiatiske «Karl», som er her på studentvisum, og som lever helt isolert og skal hjem for å bli tvangsgiftet neste høst. Eller muslimske «Karen», som mistet familien sin i Norge fordi de mener hun har ødelagt familiens ære ved å være glad i en annen kvinne. Eller «Kurt», som med jevne mellomrom blir innlagt på psykiatrisk avdeling fordi han frykter at familien vil ta livet av ham når han skal ut av det lukkede mottaket han er på. «Kine» har tidligere blitt tvangsgiftet med sin fetter. Hun fikk valget mellom det eller å bli drept. Hun holdt ut i to år med ektemannen og ble mishandlet før hun til slutt fikk kontakt med organisasjonen Skeiv Verden. Eller Kaltham, som jeg kjenner fra Skeiv Verdens styre, som spilte gal for å slippe unna familien sin etter at foreldrene hans sørget for at han ble dopet ned med masse medisiner for å gjøre ham såkalt frisk hos en lege, som for øvrig ellers driver med elektrosjokk for å helbrede folk på grunn av deres uheldige kjærlighetsliv. Å leve i det man kan kalle en kollektivistisk kulturbakgrunn, bidrar til noen hverdagsproblemer som de færreste av oss kan forestille oss i Norge i 2012. Her har vi lover som sidestiller LHBT-mennesker med heterofile, og som beskytter dem spesielt mot diskriminering og trakassering. Men mange med minoritetsbakgrunn opplever ikke å ta del i de fremskrittene som vi andre tar del i. Så er det et krav om synlighet og åpenhet, noe som ikke er lett å håndtere for mange av dem, og mye av mediedebatten handler ikke om deres liv i det hele tatt. Det lille som finnes av forskning om levekår og livskvalitet blant homofile, er NOVA-rapporter, som ikke undersøker omfanget eller konsekvensene av tvangsekteskap for LHBT-personer med minoritetsbakgrunn. Og som vi alle vet: I kollektivistiske kulturer er ekteskapet mer enn et forhold mellom to personer som vil dele livet med hverandre. Det er like mye et religiøst anliggende og en familieaffære. Mens det kan ta flere år for en person med majoritetsbakgrunn i Norge å komme ut av skapet,

Jeg er, som sagt, styremedlem i Skeiv Verden, og dette er tredje gang jeg nå forsøker å løfte dette temaet i Stortinget – ikke fordi det er det eneste jeg er opptatt av, men fordi det er et viktig tema som sjelden diskuteres. Skeiv Verden gjør en kjempejobb, men det kan ikke være slik at en organisasjon med én heltidsansatt generalsekretær og en del frivillige i realiteten skal være nesten det eneste tilbudet som finnes. Erfaringene vi gjør oss i Skeiv Verden, er at resten av hjelpeapparatet ikke nødvendigvis alltid tar det ansvaret de har, fordi de ikke tør eller ikke orker å gå inn i den ukulturen som gjør at ungdommer i f.eks. Oslo lever et helt forferdelig liv i kryssilden mellom legning, kjønn, familie, ære og en holdning hvor menneskerettigheter er underordnet familiens fasadebygging og den etniske fasadebyggingen. Mangelen på kunnskap og – vil jeg også si i deler av det offentlige hjelpeapparatet, det kommunale og det statlige, gjør at disse ikke får hjelp utover det nettverkstilbudet som en liten organisasjon som Skeiv Verden kan gi dem. Jeg vil våge den påstand at Norge og storsamfunnet svikter disse av egne bekvemmelighetshensyn og lar dem ta hele støyten selv. Det er flott at det er bevilget penger til et så viktig tiltak som Skeiv Verden er, men denne miniorganisasjonen har ikke som oppgave å gjøre alle andres jobb. Alle som jobber på innvandringsfeltet, må få klarere krav på seg knyttet til dette, og det må også etterspørres resultater av arbeidet de gjør. Som Hillary Clinton sa: LHBT-rettigheter er menneskerettigheter, og menneskerettigheter er LHBT-rettigheter. For å nå dit må vi som Abid Raja har sagt, ta et sverd og kappe huet av den ukulturen man ser i en rekke innvandrermiljøer. Vi kan ikke akseptere den daglige voldtekten det er at kvinner eller menn tvinges inn i ekteskap og får barn med noen de ikke vil ha barn med. De mest aktivistiske og tøffe er faktisk ofte de som kommer alene hit som asylsøkere. asylsøkere. I motsetning til andre- og tredjegenerasjons innvandrere mangler de familie og venner som de kan påføre såkalt skam. Samtidig kan det å være åpen for dem også være farlig og medføre fare for vold, trusler og tvangsgifte når det blir synlig, kanskje i et digitalt forum eller via media. Men uten at folk står frem, er det vanskelig for norske myndigheter å Kampen mot tvangsekteskap må føres på bred front og forene hele det politiske Norge. LHBT-befolkningen er i den offentlige debatt og i myndighetenes arbeid en gruppe som fortsatt i stor grad blir utelatt – det er derfor jeg for tredje gang prøver å løfte denne problemstillingen, eller deler av den – og som trenger større grad av støtte og hjelp. LHBT-perspektivet må i større grad enn i dag inkluderes i det offentliges arbeid i den offentlige debatt. Alle former for tvangsekteskap er uakseptabelt, uansett hvilken seksuell legning eller kjønn offeret har, men de jeg snakker om, er mennesker som nesten aldri blir husket på i den offentlige debatt. Offentlige saksbehandlere og folk som jobber i det offentlige Norge, velger enten ikke å se eller ikke å lære seg eller erkjenne at dette er stort problem for dem det gjelder, selv om kanskje antallet ikke er så stort antallet av som dem man er mest opptatt av. Spørsmålet mitt er om statsråden kan redegjøre for myndighetenes arbeid og visjoner fremover for hvordan man skal bekjempe vold, trusler og tvangsekteskap Tvangsekteskap er som sagt alvorlig, uansett hvem det rammer, men denne gruppen står så godt som alene, hadde det ikke vært for at det er én organisasjon som jobber for dem. Det er en situasjon som jeg ikke tror statsråden eller noen i denne salen synes er ønskelig.

Jeg vet at det å reise interpellasjoner om temaer som man er opptatt av, bidrar til bevisstgjøring. Det bevisstgjør oss i departementene, det bevisstgjør Stortinget og det bevisstgjør folk ute i samfunnet. Alt det er nødvendig for at vi skal få gjort noe med situasjonen som er inngående beskrevet av interpellanten sjøl. Erfaringene med tabuer og skambelagte problemstillinger er at de

så legger representanten til – også sett i et LHBT-perspektiv. Nå er det riktignok det siste som først og fremst ble løftet fram innledningsvis i innlegget til representanten Dahl, og det syns jeg er bra. Jeg skal vektlegge det mye, men jeg vil også si litt generelt. Interpellanten hevder at LHBT-befolkninga er en gruppe som i praksis i stor grad blir utelatt, men som trenger større grad av støtte og hjelp. Det er jo helt riktig. Nulltoleranse mot tvangsekteskap og nulltoleranse mot diskriminering av LHBT-personer er en selvfølge for vår regjering. Det er en selvfølge for de fleste partier også – jeg tror alle – og det er bra. Det er en selvfølge at ungdom skal ha innflytelse over sine egne liv, og vi erkjenner i stadig større grad, tror jeg, at arbeidet mot tvangsekteskap må starte ganske tidlig i ungdommenes liv, fordi det skjer mye i form av innskrenkinger i de unges frihet allerede rundt puberteten, og noen ganger før det også. Det er en selvfølge for oss at unge mennesker skal få bestemme hvem de vil være kjæreste med, utforske sin seksualitet sammen med, og hvem de eventuelt vil inngå ekteskap med seg. Vi vet alle sammen at gråsonene når det gjelder spørsmålet om tvangsekteskap, ofte er store. Det er ikke lett å sette en helt konkret grense for når det er frivillig, og når det er tvang. Men det som er helt sikkert, er at ungdom trenger støtte for valgene sine fra voksne som står dem nær. Men det er ikke alltid foreldre eller storfamilien gir denne støtten. Derfor er det viktig at vi fra politisk hold og fra myndighetssida i samfunnet er tydelige på at frihet til å elske den du vil og ta egne valg for livet ditt og identiteten din, er helt sentralt. Det er menneskerettigheter. Skiftende regjeringer har jobbet målrettet mot tvangsekteskap siden slutten av 1990-tallet. De første årene ble tvangsekteskap sett på som et jenteproblem, men erfaring fra førstelinjetjenesten og fra forskning har vist at Tenk det, det angår også menn eller gutter, og det angår LHBT-personer, naturlig nok. Den første handlingsplanen mot tvangsekteskap kom i 1998. De fleste sakene som var kjent for hjelpeapparatet, dreide seg den gangen om unge kvinner. Det var få eller ingen etablerte hjelpetilbud for gutter og menn. Jeg husker sjøl hvor vanskelig det var i det hele tatt å få tak i noen som kunne noe om tvangsekteskap den gangen jeg første gang møtte en jente – riktignok – som var utsatt for dette, på midten av 1990-tallet. Det var nesten umulig. I dag er den situasjonen heldigvis svært annerledes. Unge homofile er nå for første gang nevnt som målgruppe for arbeidet mot tvangsekteskap i handlingsplanen som kom ti år etter – Handlingsplan mot tvangsekteskap for 2008–2011. Da hadde tilbakemeldinger fra ulike hjelpeinstanser vist at også unge homofile fra minoritetsmiljøer ble utsatt for tvangsekteskap og trusler om tvangsgifte. Det ble presisert at det skulle etableres tilpassede botilbud også for gutter og unge par. LHBT-personer framheves nå som en særlig sårbar gruppe i handlingsplanen mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse – 2012. I planen slår vi fast at vi fortsatt skal ha oppmerksomhet rettet mot LHBT-personer og utfordringene deres i 2012 og videre. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDi, har ansvar for å følge opp flere tiltak i handlingsplanen. IMDis innsats er hovedsakelig forebyggende og holdningsskapende arbeid. Minoritetsrådgiverne på skoler og integreringsrådgiverne på utenriksstasjoner er veldig viktige ressurser i dette arbeidet. Det er en veldig stor endring, vil jeg si, fra tidligere. Jeg er veldig stolt av at vi har gjort dette grepet, at vi har utplassert minoritetsrådgivere på skolene, også på ungdomsskolene, nettopp av de grunner jeg nevnte; vi må komme tidlig inn og identifisere sårbare personer før det har gått så langt at man i realiteten ikke har et valg, eller er blitt veldig skadet. Så vet vi at disse kommer i direkte kontakt med enkeltpersoner som utsettes for eller trues med tvangsekteskap, inkludert LHBT-personer. En del av minoritetsrådgiverne er også kurset i det som heter ICDP, International Child Developement Program, som også er gruppesamtaler, f.eks. med fedre eller mødre, hvor man kan ta opp denne type problematikk, hvis man tør. Det er et spørsmål vi må ettergå, vi må se på hvordan dette gjøres, og hvordan vi eventuelt kan støtte dem i å ta opp dette problemet i større grad enn i dag. I IMDis forebyggende og holdningsskapende arbeid er det stor oppmerksomhet rettet mot LHBT-personer som en sårbar gruppe med risiko for å bli utsatt for tvangsekteskap. De har utviklet en veiledning for lærere Den inneholder ideer til undervisningsopplegg om tvangsekteskap og beslektede temaer, og omhandler også LHBT-personers situasjon. IMDis rapport fra 2011 «Ikke bare tvangsekteskap» tar også opp situasjonen til homofile med innvandrerbakgrunn. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet lanserte for kort tid siden «Tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barneverntjenesten». Den inneholder både kunnskap og rutiner til arbeid med saker som omhandler tvangsekteskap og æresrelatert vold. Gjennom veilederen følger man to fiktive saker. En av disse dreier seg om Hassan på 16 år som har en guttekjæreste, og som utsettes for vold og trusler hjemme. Jeg er glad for å se at LHBT-perspektivet ivaretas på en god og grundig måte i denne veilederen. Så må vi selvfølgelig også sørge for at veilederen blir brukt. Det er jo ikke noe vi kan påby, men det er noe vi kan stimulere til, etterspørre og bevisstgjøre om. Regjeringa vil legge fram en ny fireårig Nå viderefører og utvikler vi arbeidet mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse til også å omfatte alvorlige begrensninger av unges frihet. I stortingsmeldinga om en helhetlig integreringspolitikk som vi la fram nå i oktober, slår vi fast at vi vil styrke stillinga til LHBT-personer med innvandrerbakgrunn. Vi skal bl.a. bevilge 200 000 kr til OMOD, som skal jobbe med problemstillingene. Det er gjort mye og viktig arbeid direkte rettet mot Regjeringas handlingsplan «Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner» for 2009–2012 er tenkt videreført i 2013. Planen inneholder en rekke tiltak som er relevante når det gjelder LHBT-personer generelt, og to tiltak som gjelder LHBT-ungdom og tvangsekteskap. Handlingsplanen tar utgangspunkt i at LHBT-ungdom med innvandrerbakgrunn kan bli utsatt for tvangsekteskap. Temaene tvangsekteskap og seksualitet skal inkluderes i veiledere og legges til grunn for virksomheten til aktuelle organisasjoner og i kompetansetilbud for ansatte som arbeider med tvangsekteskap. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som har ansvar for videreutvikling av informasjonsmateriell og veiledere samt gjennomføring av årlige nettverkssamlinger, har lagt vekt på LHBT-personers særlige behov. De har også LHBT-senteret hos seg, så det er naturlig at man drar veksler på hverandres kunnskap her. Institutt for samfunnsforskning, ISF, har vurdert om handlingsplanen mot tvangsekteskap møter behovene til LHBT-personer. ISF konkluderer med at det fins begrenset kunnskap på området. Videre var LHBT som tema ikke godt kjent i hjelpeapparatet, som hadde møtt få LHBT-personer – i hvert fall tror de det – i sitt arbeid. Jeg vil bare legge til at det hender jo at man får vite ting først når man spør direkte, spesielt på så tabubelagte ISF anbefalte at LHBT-perspektivet blir både mer synlig og bedre integrert i arbeidet mot tvangsekteskap. Det er en anbefaling som vi vil følge opp. I slutten av juni 2012 ga Justisdepartementet ut en oppdatert instruks til Utlendingsdirektoratet om håndtering av asylsaker som gjelder LHBT-anførsler. Samtidig oppdaterte departementet retningslinjene for håndtering av asylsøknader som gjelder kjønnsrelatert forfølgelse generelt. Tvangsekteskap er her omtalt. Tvangsekteskap kan utgjøre forfølgelse og danne grunnlag for asyl dersom de øvrige vilkårene er oppfylt, herunder at personene det gjelder, ikke kan få beskyttelse i hjemlandet. Dette gjelder både LHBT-personer og andre. Vi jobber også med en ny lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og har generelt et veldig stort fokus på dette området fordi det er viktig for oss. Både for SV og for regjeringa er det helt avgjørende at vi jobber systematisk med inkludering på alle områder, med å bekjempe diskriminering, trakassering, rasisme, utestengelse og direkte forfølgelse av mennesker bare fordi de er den de er, og elsker den de gjør. Jeg har lyst til å takke statsråden for svaret. Jeg vet at statsråden er engasjert i dette, og mener og føler det. Jeg vet at statsråden er engasjert i dette, og mener og føler det. Det er godt med politikere som har et skikkelig engasjement, og som har beholdt det hele sin politiske karriere. Det hadde jeg lyst til å starte med. Det statsråden egentlig etterlyser, er en skikkelig dugnad. Det er også derfor jeg har tatt opp dette på den måten jeg har gjort i dag – fordi dette handler om å bekjempe de holdningene og den ukulturen som ligger til grunn for noen av de eksemplene som jeg tok opp. Utfordringen er å få folk flest og hjelpeapparatet til å skjønne at mens nordmenn flest, når de er barn, gradvis får mer og mer frihet og ansvar, får de vi snakker om her, mindre og mindre frihet jo eldre de blir – spesielt jentene. Det er sånn at man nesten ikke kan skjønne overvåkes på absolutt alle plan. Det er nærmest et rent Stasi-apparat ute og følger med på hver eneste ting som jentene gjør. Hvis de er på Oslo City eller hvor det måtte være, ringes det hjem til dem for å fortelle hva de har gjort, om det passer seg, og om det passer med familiens ære. Så er det spørsmål om hvordan vi greier å sørge for kunnskap i alle deler av hjelpeapparatet, fordi veldig mange blir redde når de hører at dette har med kultur og religion å gjøre. Så er det spørsmål om hvordan vi greier å sørge for kunnskap i alle deler av hjelpeapparatet, fordi veldig mange blir redde når de hører at dette har med kultur og religion å gjøre. Man går ikke inn i debatten om hva den kulturen eller den religionen egentlig er for noe. Man trenger rett og slett dybdekunnskap om hva de såkalte – jeg kaller dem det – kulturene består i, og hva de såkalte religiøse budene bunner Men det forutsetter at man har en religionsforståelse og en kulturforståelse som er mye bedre enn den er i dag hos veldig mange, sånn at de har muligheten til å «face» og stille de kritiske spørsmålene til f.eks. foreldre og slektninger. Situasjonen er et kommunalt ansvar. I skoler i Oslo er det i hvert fall veldig mange tegn som tyder på at det ikke er alle rektorer alle rektorer og lærere som faktisk tar det ansvaret og gjør jobben sin når det gjelder å beskytte de ungdommene som de er satt til å beskytte. Jeg står her med en veileder som er utformet til barneverntjenesten. Den er jeg veldig spent på å se hvordan barnevernet håndhever, for det forutsetter veldig stor grad av kulturell forståelse og kompetanse å gjennomføre det som står i denne veilederen. holdningene på asylmottakene, tror jeg man kan ta en runde med en del av asylmottakenes ledere, som faktisk har signalisert at unge homofile som er der, må oppføre seg – dvs. at de må skjule at det er homofile på asylmottakene. Det er en fallitterklæring, og også et eksempel på mangel på vilje og kunnskap i en offentlig etat, som jeg håper statsråden kan

Det er en liten organisasjon, men de har utrettet mye, og med ganske stor risiko for seg sjøl og for sine. Det koster å være pionerer. Det gjør alltid det. For noen koster det mer enn for andre, og det å vite og verdsette det, er viktig. Frivillige gjør en kjempeviktig jobb på dette området, de viser er noe av det som virkelig bidrar til å åpne både hjerter, ører og øyne på politikere og på myndigheter. Sjøl om det koster, skal de vite at det betyr noe – de gjør en forskjell. Det er også godt å kunne bruke de erfaringene man har som er så vonde, til noe positivt, sånn at andre i hvert fall ikke trenger å oppleve det samme som en sjøl. Det er en verdi i seg sjøl. Så vil jeg også si at jeg, som statsråd også for barnevernet, hvor vi opplever mye usikkerhet knyttet til dette med kultur og kulturforskjeller, er opptatt av å si at vi bør bli mer opptatt av det som forener, enn av det som skiller. Det som bør forene, er menneskerettighetene – å slå ring om dem og ikke være

i spørsmål knyttet til menneskerettigheter og ikke minst til barns rettigheter er helt uakseptabelt, og vi må få en slutt på å tenke på den måten. Men da må man også trygge ansatte som står i ganske tøffe situasjoner, bistå dem og virkelig stå der og støtte dem når de skal ta krevende valg og jobbe for utsatte grupper. En del av det som oppleves av innvandrerbefolkningen som er homofile eller LHBT-personer i dag, dag, er jo mye av det samme som mange heilnorske har opplevd oppigjennom, og som de også opplever i ulik grad i deler av samfunnet vårt den dag i dag. Så vi må jobbe på bred front og på mange områder, og vi må heller ikke bli sjølgode oppi dette. Jeg vil begynne med å sitere leder av Skeiv Verden, Ingse-Katrine Gravdal. Hun sier det slik i et intervju med magasinet Blikk: «Mange foreldre mener tvangsekteskap er i dag. Så vi må jobbe på bred front og på mange områder, og vi må heller ikke bli sjølgode oppi dette. Jeg vil begynne med å sitere leder av Skeiv Verden, Ingse-Katrine Gravdal. Hun sier det slik i et intervju med magasinet Blikk: «Mange foreldre mener tvangsekteskap er det beste middelet å bruke for å kurere homofili. De er ikke onde mennesker. Alle foreldre vil det beste I boka Lenket for livet?, som interpellanten viser til, forteller noen av Skeiv Verdens medlemmer sine historier. Det er sterke historier om ungdom som slites mellom kjærlighet, familie og kultur, og som blir mishandlet fysisk og psykisk fordi foreldrene får vite eller mistenker at barna er Jeg vil takke representanten André Oktay Dahl for at han tar opp dette temaet, og takke Skeiv Verden, der Dahl også er styremedlem, for det enormt viktige arbeidet organisasjonen gjør. Jeg slutter meg også til interpellantens ros til statsråden. Ingen kan være i tvil om hennes oppriktige engasjement på dette området. Hva handler det om? Tvangsekteskap er et uakseptabelt overgrep uansett hvem som rammes. Statsråden var inne på at grensen mellom tvangsekteskap og arrangert ekteskap kan være utydelig. For lesbiske, homofile, bifile og transpersoner er forskjellen mellom tvangsekteskap og arrangerte ekteskap enda mindre tydelig enn for andre. Det er forskjell på samtaler med foreldre om hvem man skal gifte seg med, og samtaler om ikke å gifte seg i det hele tatt. I mange kulturer er det ikke aksept for at barn ønsker å forbli ugifte. Også et arrangert ekteskap med de beste intensjoner vil sette dem det gjelder, i en tvangssituasjon: enten gifte seg eller bryte med familien. Det siste er ofte utenkelig. Det er ikke vanskelig å forestille seg hvor krenkende og dramatisk det oppleves å skulle dele livet med en person man slett ikke har valgt, og som i tillegg har feil kjønn. Regjeringen la tidligere i år fram nye handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Sju departementer har ansvar for ulike tiltak som individuell hjelp, helsetilbud, styrket rettslig vern, kompetanseheving i hjelpeapparatet, informasjon og holdningsskapende arbeid. Det er viktig alt sammen, men det er mulig vi har noe å lære av Storbritannia. I 2005 etablerte deres utenriks- og innenriksdepartement i fellesskap en «Forced Marriage Unit» som gir hjelp til personer som tvinges til ekteskap. Antall henvendelser fra lesbiske og homofile som tvangsgiftes, er mangedoblet på kort tid. Enheten får hundrevis av slike henvendelser hvert år. Det kan ikke være noen tvil om at problemet er reelt også i Norge. Det er helt riktig, som representanten Dahl sier, en utfordring at LHBT-personer er usynlige for dem som skal rette inn tiltak. Selvsagt omfattes LHBT-personer også av handlingsplanen mot tvangsekteskap, men det er behov for å anerkjenne og se denne gruppen særlig. Regjeringen la nylig fram en helhetlig integreringsmelding som Stortinget skal behandle over nyttår. Der nevnes LHBT-personer spesielt. Det er viktig.

Det er beslektede oppfatninger om ære som får foreldre til å tvinge LHBT-personer inn i ekteskap, som driver barn og foreldre fra hverandre, og som fører til den volden vi kan lese om i boken Lenket for livet?. Vi bekjemper ikke slike holdninger gjennom fordømmelse alene. Informasjon og kunnskap er avgjørende. Det samme er rådgivning til foreldre og barn. Rettigheter og plikter må formidles tydelig i skolen og på alle andre arenaer. Lavterskeltilbud til ungdom som trenger akutt hjelp, og midlertidige botilbud er også viktige. Interpellanten var opptatt av at kampen mot tvangsekteskap føres på bred front og forener det politiske Norge. Arbeiderpartiet er helt enig. De som utsettes for tvangsekteskap eller er i fare for det, skal få den hjelpen de trenger. Jenter og gutter, heterofile og homofile, har samme rett til å bestemme over eget liv. Vi kan ikke akseptere holdninger som undertrykker og krenker. Overgrep kan ikke bortforklares med kulturforskjeller. Oppfatninger om ære og skam må konfronteres. Vold må straffeforfølges. Unge mennesker som utsettes for overgrep, skal vite at vi er på deres side – uten Jeg vil gi representanten Oktay Dahl ros for å løfte LHBT-perspektivet i spørsmålet om tvangsekteskap. Jeg hadde lyst til å ta ordet i denne saken, for tvangsekteskap er uakseptabelt, uavhengig av kjønn eller legning til den som rammes, og må bekjempes på bred front. Gjennom regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap fikk Skeiv Verden tilskudd til og med Gjennom regjeringens handlingsplan mot tvangsekteskap fikk Skeiv Verden tilskudd til og med 2011. Men fra 2012 skal LHBT-perspektivet bare være i fokus. Akkurat hva det innebærer, er det ikke godt å vite. Kampen for de homofiles rettigheter pågår fortsatt. I mange samfunnslag miljøer er det blitt mye enklere å være homofil de siste ti årene. Godt er det. Men fortsatt er det mange homofile som er redde for fordømmelse, og som vegrer seg for å stå fram med sin legning. Det gjelder dessverre mange homofile med minoritetsbakgrunn. Jeg mener det må være selvsagt at denne problemstillingen inngår som en særskilt del av regjeringens arbeid mot tvangsekteskap, noe statsråden etter min oppfatning også har redegjort godt for. Tvangsekteskap er en uhyrlighet og skal bekjempes. Jeg mener det må bekjempes uansett kjønn og legning. Innsatsen mot tvangsekteskap har gitt resultater, og Institutt for samfunnsforskning konkluderer i sin andre

kjempe – kjempe for alles rett til selv å velge sin livsledsager. Jeg vil også få takke interpellanten for denne viktige interpellasjonen og for et solid arbeid gjennom flere år. Jeg vil også takke statsråden, som har vist det samme engasjementet og den samme interessen for dette feltet. Det er på det rene at interpellanten har helt rett i sin tilnærming til dette spørsmålet – både at dette er et ekstra problem for dem som opplever det i innvandrermiljøene, og at det faktisk er et problem i Norge. Tvangsekteskap er ikke et problem i den norske befolkningen, men fremdeles er det langt igjen før aksepten er der. Det er jo dessverre sånn at man til og med kan risikere å bli både truet og utsatt for vold om man er en LHBT-person i Norge – også fra etnisk norske personer. Vi som har åpne Facebook-sider og e-postadresser, kan fortelle om at det er mye som kommer inn der som ikke akkurat fortjener statusen verneverdige synspunkter eller kultur.

og man eier spesielt deres seksualitet. Jeg er helt enig med representanten Haugli, som sier at dette synet på barn, dette synet på ekteskap og dette synet på kontroll ikke har noen plass i Norge, i vår kultur og i våre systemer. Men jeg frykter at det fremdeles er noen her som forsøker seg på ulike typer helbredelse av folk som har homofil legning eller er en LHBT-person. Det er dessverre slik mange steder. Jeg mener vi ikke skal være redde for å ta dette opp, heller ikke i religiøse miljøer, for menneskerettighetene er sylklare på dette: Ekteskap er uforenlig med tvangsekteskap. Det skal skje av fri vilje. Om det er kjærlighet eller ikke, skal ikke jeg legge meg opp i, men det skal være av fri vilje, det er det som er viktig. Da mener jeg, hvis det skulle komme til en konflikt med noen religiøse dommer, at det er menneskerettighetene vi som politikere må holde oss til, for

Men kultur og tradisjon er i stadig forandring. Norsk kultur har forandret seg voldsomt på dette området. Jeg var en voksen person før mannlig homofili ble tillatt i Norge. Det er ikke lenger siden. Så det skjer noe, men det skjer ikke av seg sjøl. Vi får ta vare på det som er verneverdig, og så får vi kvitte oss med det som er dårlig både i vår kultur og i andres kulturer. Dessverre er det slik at noen må ta støyten og kampen. Det er fryktelig stor personlig risiko og veldig vonde brudd for mange som gjør det. Det som blir utrolig viktig å gjøre for myndighetene, er å bygge opp et hjelpeapparat som står klart i det øyeblikket en tør å ta steget ut – for mange gjelder det livet

Det er et alvorlig overgrep uansett. Tvangsekteskap i seg selv er imidlertid en form for vold i nære relasjoner som har fått stadig større oppmerksomhet de senere årene, slik statsråden redegjorde for i sitt innlegg. Likevel finnes det ingen sikre opplysninger om hvor mange jenter og gutter i Norge som utsettes for tvangsekteskap hvert år. Vi mangler foreløpig nasjonale registreringsrutiner og statistikk over antall saker som kommer til hjelpeapparatet, men fra det offentlige og frivillige hjelpeapparatet meldes det om et økende antall tvangsekteskapssaker. Det kan tyde på en økende bevissthet om rettigheter og muligheter til å få hjelp, og at flere derfor våger å motsette seg slike overgrep. Men dette er overgrep som begås av dem som skulle vært de aller nærmeste, og som i de fleste av den typen overgrepssaker, er det mest sannsynlig betydelige mørketall. Men noe vet vi: Tvangsekteskap er, sammen med kjønnslemlestelse, en form for vold og et brudd på menneskerettighetene som i all hovedsak foregår i familier med innvandrerbakgrunn. Så når Oktay Dahl tar opp spørsmålet om tvangsekteskap i et LHBT-perspektiv, snakker vi for det første om en minoritet i minoriteten, og vi snakker i tillegg om tvangsekteskap med en person av et annet kjønn enn det du Vi snakker dessuten om ungdom, som i utgangspunktet er enda mer sårbare enn voksne når det kommer til overgrep som så til de grader øver vold mot det aller innerste og det aller mest private, som smadrer en identitet som offeret selv kanskje ennå strever ganske mye med å definere for seg selv. Kanskje vet ikke familien at den ungdommen de tvinger til ekteskap, tilhører eller kanskje har de mistanke om det. Hvis så er tilfellet, er krenkelsen om mulig enda verre. Det betyr at handlingsplanene mot tvangsekteskap der vi tør å ta den kulturelle konflikten, er viktige. Men det betyr også at vi må jobbe vel så mye på det holdningsskapende planet når det gjelder holdninger til LHBT-personer generelt, og i innvandrermiljøene spesielt. Det betyr at vi må være oppmerksomme på den spesielle situasjonen for LHBT-personer som søker asyl og plasseres på mottak. Justis- og beredskapsdepartementet må ta denne problemstillingen med i det pågående arbeidet med å følge opp det såkalte Berge-utvalget, NOU 2011: 10 I velferdsstatens venterom, som handler om mottakstilbudet for asylsøkere. Det betyr at vi må ha fokus på LHBT-personers spesielle situasjon i behandlingen av asylsøknader. Vi har sett noen eksempler på at avslag har vært begrunnet med at folk bare kan leve i skjul med sin legning. Men tilbake til LHBT-personer og tvangsekteskap: Som nevnt er dette en kombinasjon vi stort sett finner i noen innvandrermiljøer. En god integreringspolitikk vil dermed også være av betydning for å bekjempe både tvangsekteskap og negative holdninger til LHBT-personer. Stortinget har nettopp fått Meld. St. 6 for 2012–2013 om en helhetlig integreringspolitikk til behandling. Her adresseres den problemstillingen som interpellanten reiser.

om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Mer kunnskap og flere målrettede tiltak trengs, særlig når det gjelder den gruppen vi diskuterer her. Jeg vil derfor rette en oppfordring tilbake til interpellanten om å engasjere seg i arbeidet med den integreringsmeldingen som vi starter med rett over nyttår, ved f. eks. å be Skeiv Verden komme på høring 15. januar, så vi også kan stille spørsmål om det de forteller til de andre innvandrerorganisasjonene som forhåpentligvis kommer på høring. Så kan vi løfte LHBT-ungdommens utfordringer enda tydeligere fram i den framtidige integreringspolitikken. Ta gjerne kontakt med meg som saksordfører for den meldingen, og bidra også i debatten her i Stortinget 21. mars neste år.
da blir det nok noe av i januar. Jeg har lyst til å takke for en bra debatt. Karin Andersen var inne på at den generelle utviklingen i Norge har vært positiv. Det kan jeg skrive under på selv. Mens jeg tidligere aldri ble spurt om hva slags privatliv jeg hadde, spør alle nå: Skal du ikke ha barn? Det sier jo sitt om at vi generelt sett har kommet ganske mye lenger enn f.eks. i 1993. Så slik sett har det generelt vært en god utvikling. Det er grunn til å huske på at Norge er et unntak i verden, ikke bare når det gjelder rikdom, men også når det gjelder menneskerettigheter – at de gjelder alle, inkludert dem som er glad i noen, men som tilhører en seksuell minoritet. Det er viktig å huske på at det grunnlaget som er etablert der, er det vi skal møte nye landsmenn og andre med. Det er viktig at vi beholder det grunnlaget. Det er ikke nødvendigvis en selvfølge. Jeg synes det er viktig med det perspektivet som Andersen også er inne på, at vi ikke må gjøre dette til en oss-og-dem-debatt, for dette er patriarkalske strukturer som vi har sett avarter av, uavhengig av hvilken religion det er snakk om, eller i andre sammenhenger. Det er for så vidt interessant å se på lovverket i Iran, som har frivillig seksuell omgang. Da straffes den passive part med dødsstraff, mens den aktive part straffes med 100 piskeslag. Det vil si at hvis man liksom er litt kvinne, skal man ha dødsstraff, men hvis man nesten er litt mann, holder det med noen piskeslag. Det synliggjør hvor likt mye er når det gjelder å jobbe for likestilling mellom kjønnene – det er veldig mange paralleller her. Jeg synes det er viktig å huske på at vi, som sagt, er et unntak. Det er finanskrise. Vi ser at det er naboland som har ganske kraftige utfordringer knyttet til høyreekstreme holdninger som kommer. Hvis vi ser at

Vi ser utviklingen i deler av FN-systemet, hvor det er nye allianser på gang som jeg ikke vil si er spesielt heldige. Her er det viktig at Norge har en rolle, for dette handler om å bygge kulturer, bygge verdier. Da er alle norske politikere nødt til å stå sammen. Det kan jo også være en liten påminning frem mot 2013 at når vi skal krangle om det ene og det andre frem mot valget, er det noe vi er nødt til å stå sammen om. Det er noen grunnleggende verdier i det norske samfunn som vi ønsker å bevare, sånn at vi ikke bruker opp ammunisjonen og skytset på hverandre, når vi trenger å stå sammen om noe som er langt viktigere enn deler av det vi holder på med da. Da var vel tiden ute. Jeg har

fortsetter å bevege oss i riktig retning når det gjelder både debattform, ord som vi bruker, og også i vedtak. Jeg mener det kan bli utfordrende, det har jeg lyst til å si. Når vi ser på utviklinga på dette området, graden av aksept i vårt samfunn og inkludering, henger det også sammen med likestillingspolitikken generelt. La meg også tørre å nevne feminisme i den sammenheng, hvor man har tatt tak i kjønnsrollene og sett på hvordan kjønnsroller enten kan være begrensende, eller at man kan utvikle dem og få større grad av frihet. Feminismens prosjekt har vært valgfriheten og frigjøring fra konvensjonelle, stereotype måter å tenke kjønn på. Det har gjort at valgmulighetene har blitt større, og at det også har vært lettere å ha såkalte ukonvensjonelle kjønnsuttrykk. Det er mange spesielle begreper på akkurat dette politiske området som man må lære seg, men dette er dette politiske området som man må lære seg, men dette er også ganske vesentlige ting, for det er mye som henger sammen her. Det er ikke lenge siden jeg satt med en mann på alder med meg sjøl som var fra Sørlandet, som kom fra et kristent miljø, og som fortalte hvordan han sjøl ble utstøtt fra sin familie da det ble klart for dem at han var homofil. De har ikke kontakt i dag. Dette gjelder også veldig mange i det norske samfunnet. Det er mange som ikke kan være åpne, som ikke kan være ærlige. Det er mange ungdommer som ikke i det hele tatt tør å utforske sin seksualitet, eller hvem de nå måtte være, hva slags identitet de har, hvem de skal være forelsket i, i redsel for å bli slått ned eller utsatt for trakassering og utstøting i sine miljøer. Det gjelder i Norge den dag i dag. Så dette er en pågående kamp som vi er nødt til å jobbe med på bred front, som det er blitt sagt. Jeg er helt enig med Karin Andersen i at det avgjørende her er at vi jobber for å ta vare på det som er verneverdig ved vår kultur, og at vi kvitter oss med det som må forandres. Jeg vil si at når man snakker om det unike i norsk kultur, er det heldigvis i forandring. Det som man før så på som unikt og verneverdig, verneverdig, ser vi på i dag med skamrødme. Jeg er glad for at vi forandrer oss. Man kan ikke forvente at folk skal forandre seg over natta etter at man har reist fra et annet land med mye sterkere patriarkalske strømninger enn vi har i Norge, men vi må jobbe systematisk for det, med informasjon, med kunnskap, bruke samfunnskunnskapsopplæringa og introduksjonsprogrammet, bevisstgjøre alle som jobber på dette området, sånn at de ikke blir blinde

Ingen har bedt om ordet. Etter ønske fra finanskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil fire replikker med svar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

til handlingsregelen er ca. 23 mrd. kr lavere enn den 4 pst.-banen som en kunne ha brukt. Tallene viser at norsk økonomi tåler vesentlig høyere aktivitet enn forventet, noe høyere skatteinntekter reflekterer. Vi har altså ikke opplevd høyere inflasjon eller høyere rente som følge av høyere aktivitet i økonomien. en opposisjonspolitikers syn, der en opplever at budsjettdebattene om høsten brukes til nærmest å angi millimeternøyaktig hvor mye penger en tåler, bør dette være til ettertanke – i år som i fjor. Til tross for skarpe påstander om at endring i pengebruk i forhold til regjeringens forslag vil skape inflasjon, har vi sett at det ikke er tilfelle. Det blir også litt rart når betydelige økninger i petroleumsinvesteringene fra år til år møtes med et skuldertrekk. Det blir gjort noen endringer i nysalderingen, basert på nye anslag for hvilke penger som trengs. Det er helt naturlig, og komiteen står bak de endringer som gjøres. Jeg vil bruke resten av taletiden på løfte fram noen av de forslagene Fremskrittspartiet mener burde kommet inn i tillegg. Da Gardermobanen ble bygd, var det lovt fra arbeiderpartipolitikere at dette skulle bli et særdeles lønnsomt prosjekt. Det så var det lovt fra arbeiderpartipolitikere at dette skulle bli et særdeles lønnsomt prosjekt. Det så en det ikke ble, og en måtte slette investeringen, dvs. kostnaden. Det gjorde en, men sa at siden dette var noe som allerede var bygd, ville det ikke påvirke aktiviteten i økonomien. Selv om det skjedde «over streken», skulle det ikke bli behandlet sånn. Fremskrittspartiet har foreslått – egentlig mest, kan vi si, for å være snille med regjeringen, siden de stadig vekk får kjeft av Riksrevisjonen for måten bompengesystemet behandles på – at vi gjerne sletter bompengegjeld, sånn at det blir en julegave til bilistene. Det vil ikke føre til økt press i norsk økonomi fordi dette allerede er blitt bygd. Vi legger inn dette. Det vil være godt innenfor den økte økonomiske rammen som staten har fått. Vi foreslår at det skal bli bevilget litt mer penger til investering i nye kjøretøy. Det er et behov i politiet som er betydelig. 30 mill. kr ligger det inne her. I budsjettbehandlingen for 2013 for bare noen få dager siden var det en rekke rød-grønne politikere som var bekymret for bøndene i Troms som var rammet av flom, men det var ingen av dem som var bekymret nok til at de foreslo å bevilge penger til dem. Vi foreslo at med det vanskeligstilte foreslår vi bevilges med 25 mill. kr. Forskning på ME, Kirkens Familievern, økt grensekontroll og anskaffelse av nye skannere og kameraer ved grenseovergangene er noe som har praktisk nytte, som en kan igangsette raskt, som det er et økt handlingsrom til, og som en ikke har valgt å prioritere i budsjettet for neste år. Dette er noe som vi anbefaler bør gjøres. Jeg er fullstendig klar over at det i denne salen er betydelig uenighet om bompengegjeld, men alle de andre forslagene har en totalsum som er såpass liten at det burde være mulig for Stortinget å vise rom for å bruke litt av den store ekstrainntekten som har kommet, til å prioritere dette. Nå har en isteden faktisk valgt for 2012 å ta ut kapital fra statlige selskaper som av den store ekstrainntekten som har kommet, til å prioritere dette. Nå har en isteden faktisk valgt for 2012 å ta ut kapital fra statlige selskaper som i praksis blir spart ved å kjøpe aksjer i utlandet. Jeg kan ikke se at det er en god måte å bygge landet på. Med dette tar jeg opp de forslagene som Fremskrittspartiet står bak, alene eller sammen med andre. Representanten Ketil Solvik-Olsen har tatt opp de forslagene han refererte til. Nå behandler vi nysaldert budsjett for 2012. Det er

Det kan vi glede oss over. Årsaken er både at anslaget for utgifter er redusert, og at anslaget for inntekter er økt. Anslaget for skatter og avgifter fra fastlandsøkonomien er samlet sett om lag uendret fra nasjonalbudsjettet. Når utgiftene har blitt lavere enn anslått i budsjettet i fjor høst, skyldes det først og fremst at utgiftene til sykefravær og andre ordninger under folketrygden har blitt lavere. I tråd med vanlig praksis bruker vi ikke reduserte utgifter eller økte inntekter til å øke satsingen på andre områder på tampen av budsjettåret. Vi ville heller ikke kuttet i budsjettet dersom bildet var det motsatte. Vi blir utfordret på hvorfor vi følger handlingsregelen så strengt, når anslått oljepengebruk uansett endres med flere milliarder gjennom budsjettåret. Men det er når budsjettet legges fram, at vi kan måles på om i å treffe rett oljepengebruk, i å gi en rett budsjettimpuls. Det er når budsjettet legges fram – ikke når fasiten framlegges – vi kan måles på om vi lykkes i å bidra til forutsigbarhet og trygg økonomisk styring. Men er anslagene gode nok fra begynnelsen av? Til det vil jeg si følgende: Utviklingen i skatte- og avgiftsinntektene avhenger av utviklingen i en rekke usikre størrelser, som sysselsetting, lønnsvekst, byggevirksomhet, bilkjøp, privat konsum og næringslivets lønnsomhet. Endringer har også en tendens til å trekke i samme retning, f.eks. vil vekst i sysselsettingen kunne gå sammen med høyere lønnsvekst. I et budsjett på over 1 000 mrd. kr kan selv små prosentvise endringer bety flere milliarder kroner. At budsjettall endres etter hvert som man kjenner utviklingen gjennom budsjettåret bedre, er dermed ikke oppsiktsvekkende i seg En måte å måle presisjonen i anslagene på er å sammenligne med andre land. Tallene viser at revisjonene i de norske skatteanslagene ikke er spesielt store i et internasjonalt perspektiv. For 2012 er også endringene klart mindre enn det vi har sett de siste par årene. Vi må også ha i minnet at utviklingen i budsjettene i årene etter finanskrisen har gjenspeilet usikkerheten om makroøkonomiske anslag. Det er fortsatt usikkerhet og ubalanser i verdensøkonomien. Den virkelige krisen i Europa er ledighetskrisen. Millioner av mennesker møter en usikker framtid. Også norske eksportbedrifter merker krisen på flere måter. Erfaringene fra de siste ti årene viser at vårt finanspolitiske rammeverk fungerer godt. Norge har gjort mye riktig. Men vi har også vært heldige. Hvis oljeprisen faller kraftig, kan giret som trekker norsk økonomi framover, Under finanskrisen opplevde flere land at det de trodde var stabile skatteinntekter, sviktet da konjunkturene snudde. Liknende hendelser kan også ramme oss. Nå opplever vi gode tider for norsk økonomi. I de gode tidene trygger vi grunnlaget for framtiden. Nysalderingen av budsjettet viser at vi kan glede oss over lavere sykefravær, positiv utvikling i skatteinntektene, og

må tas på alvor, særlig knyttet til lav produktivitetsutvikling, høy kostnadsvekst, og – som NHOs siste konjunkturbarometer viste – de laveste investeringene i Fastlands-Norge på over 40 år. Jeg vil imidlertid ikke bruke denne anledning til å ta den store makroøkonomiske debatten. Det får vi gode muligheter til også når vi kommer på nyåret. Jeg er enig med representanten Dag Ole Teigen når han sier at

når han skaper inntrykk av at det utelukkende er en oppdatering av budsjettet. Det er lang tradisjon, både mens Arbeiderpartiet har vært i opposisjon, og mens de har vært i posisjon, at man har rettet opp noen åpenbare svakheter på slutten av året. Det har også skjedd under den rød-grønne regjeringen. Derfor har Høyre valgt å gå sammen med Kristelig Folkeparti, Venstre og også Fremskrittspartiet på et par punkter som vi mener er spesielt viktige å rette opp på tampen av året, fordi det er åpenbare svakheter. Det ene knytter seg til hvor det var forventet at Forskningsrådet ville bevilge penger for et par uker siden, men Forskningsrådet gjorde det ikke allikevel, ikke fordi prosjektene var for dårlige, men fordi det manglet penger. Derfor mener vi at det bør bevilges 9 mill. kr til denne viktige forskningen for mange som sliter Vi mener også at det er grunn til å sette av 10 mill. kr til frivillige organisasjoner som jobber blant de fattigste i landet vårt nå i forkant av julen. Jeg registrerte at finansministeren på P4 i dag sa at man kan være litt raus når det nærmer seg jul. Det er jeg enig i, de fleste av oss kan være litt rause når vi er ute og handler til jul, men det er også en del mennesker i vårt land som ikke har den samme muligheten til å være rause, men som trenger vår raushet. Derfor mener Høyre at vi skal sette av 10 mill. kr til frivillige organisasjoner, som gjør en utrolig viktig jobb for veldig mange mennesker før og under

Sammenlignet med mange andre land er vi i den veldig heldige situasjon at vi slipper å kutte i budsjettene. Overskuddet vil bidra til at vi tar ut mindre av oljefondet enn forutsatt. Det er grunn til å understreke at Stortinget behandler budsjettet én gang i året. Det er vi nettopp ferdig med – det er nå i desember. Både revidert og salderingen er en justering av det vedtatte der det er avvik fra de vedtatte anslagene i budsjettet, for å bruke det begrepet, så som skatteinntekter, utgifter til sykefravær og endringer i oljeinntektene. Nysalderingen er ingen ny budsjettbehandling på slutten av året. Det er som forventet Fremskrittspartiet som foreslår en ekstrabevilgning til samferdsel på 25 mrd. kr, til sletting av Det er i sannhet å starte budsjettbehandlingen på nytt 14 dager før årets slutt. Jeg merker meg at det ikke er en samlet opposisjon som står bak dette forslaget. Skulle jeg ha begynt en debatt om gjeldssletting, noe jeg ikke har tenkt å gjøre, var det nok andre områder i budsjettet jeg ville ha prioritert foran å slette gjelden til bompengeselskapene. Jeg tror nok at SV ville ha satt fokus på helsesektoren, på sykehussektoren, på pleie- og omsorgssektoren, som er områder som man tross alt ville ha prioritert høyere. Det er ingen andre områder som har fått større vekst og større styrking i investering og vedlikehold enn samferdselssektoren de siste fire–fem årene, både når det gjelder vei og jernbane. Men det er som sagt en debatt jeg ikke har tenkt å starte, for den type spørsmål hører eventuelt hjemme i en ordinær budsjettbehandling. Regjeringa sitt forslag til ny saldering av statsbudsjettet for 2012 dokumenterer nok ein gong at Noreg er eit unntaksland i Europa. Ved årets slutt kan vi bokføra auka skatte- og

Noreg er eit unntaksland i Europa. Det er ikkje berre eit resultat av oljeinntekter, det er òg eit resultat av god og trygg styring av landet. Regjeringa kan gjera opp budsjettåret 2012 med meir enn bestått i karakter. God økonomisk styring og eit auka overskot i statsbudsjettet rom for å ta opp ynske om ein rausare pengebruk enn det Stortinget tidlegare har vedteke. Det er fyrst og fremst Framstegspartiet som unner seg denne rausheita. Det kjenner vi òg frå tidlegare debattar om ny saldering av statsbudsjettet. Av dei 25,5 milliardane Framstegspartiet vil auka utgiftene i 2012-budsjettet med på slutten av året, til sletting av bompengegjeld. Stortinget er vel kjent med at Framstegspartiet prinsipielt er mot bompengefinansiering av veg. Stortinget veit òg at dette er ei finansieringsform som lokale folkevalde rundt om i landet har teke initiativ til, òg med støtte av mange framstegspartipolitikarar lokalt. Så vil Framstegspartiet òg løyva 400 mill. kr ekstra i meirverdikompensasjon til frivillig sektor. Dette er ei god sak. Eg kan godt forstå at partiet ynskjer å overgå regjeringa. Faktum er likevel at momskompensasjonsordninga, som skal sikra 1,2 mrd. kr til frivillig sektor i løpet av 2014, er eit raud-grønt løfte som blir følgt opp. For neste år er det sett av auka løyvingar på 320 mill. kr. Det betyr at denne ordninga nærmar seg 1 mrd. kr til fordeling. I Senterpartiet har vi registrert med glede at Frivillighet Norge har uttrykt at dei er svært tilfredse med regjeringa sin innsats på dette området. Så vil òg Framstegspartiet tilleggsløyva 30 mill. kr til flaumskadde bønder, rett nok over Kommunal- og regionaldepartementet sitt budsjett. Ja, det er viktig å både flaumskadde bønder og andre som blir utsette for flaum, får dekning for dei skadane dei er påførte. Det er verdt å merka seg at det over Landbruksdepartementet sitt budsjett er sett av 163 mill. kr til naturskade for 2012. Det er nesten ei dobling frå 2011. Når ein no har meir oversikt, er talet nettopp i denne saka

vil redusera Landbruksdepartementet sitt budsjett med nærmare 5,5 mrd. kr. Så må eg få seia til slutt at regjeringspartia samla seg ved budsjettbehandlinga i fjor om å tilleggsløyva 1 mill. kr til drift av Kirkens Familievern. Kirkens Familievern gjer eit svært viktig arbeid, som Eg forstår at forslaget frå opposisjonspartia om ein ekstra million løyvd i dag er grunngjeve med at ikkje heile millionen er disponert etter føresetnaden. Dersom så er tilfellet, føreset Senterpartiet at det blir rydda opp i det, slik at desse midlane blir fordelte på same måte i 2012 som i

Kirkens Familievern, som representanten Meltveit Kleppa var inne på: Her snakker vi egentlig om en bevilgning som jeg vet Senterpartiet var sterkt involvert i å få på plass. Hvis jeg ikke tar feil, var vel representanten Lundteigen en sterk pådriver i sin tid. Poenget er at denne bevilgningen har departementet gitt ut til alle kontorene – strødd det utover. Vi har oppfattet – det var iallfall det som var poenget da dette ble tatt opp i sin tid i høringer, og som det ble en respons på også fra de rød-grønnes side – at det var Kirkens Familieverns sentrale organisasjon, for at de skal drive utviklingsarbeid på vegne av de kirkelige familievernkontorene, som skulle ha denne bevilgningen. Det er det som ikke har skjedd, og som etter vår mening er i strid med forutsetningene.

arbeid, ble det altså ikke noe av – derav vårt forslag i så måte. Så nevnte representanten Sanner ME-forskningen. Der er situasjonen den at forskningsprosjektene er fullt ut faglig anbefalt av Forskningsrådet, men som statsråd Støre opplyste i denne men han skulle gjerne sett at man gjorde noe. Når man da har et saldert budsjett foran seg som det vi ser i dag, synes jeg det kanskje er litt rart at man ikke benytter muligheten. Når det gjelder de frivillige organisasjonene, øker vi med 10 mill. kr. Det er bare å høre på hva som ble nevnt på NRK Østlandssendingen i dag tidlig: Slumstasjonen til Frelsesarmeen har hatt 20 pst. økning i antall henvendelser fra i fjor, ikke minst en økning i antall barnefamilier. Med andre ord: Dette er penger som man kunne brukt, og brukt dem vel, innenfor de dagene som er igjen av dette året, og som kan begrunnes med en kraftig økning i antall henvendelser fra folk som ønsker og trenger mat og klær. Til slutt: Vi vet at det var en omfattende og vellykket, må man si, markering av Nobels fredspris i denne byen for noen dager siden, men det har også krevd ganske mye av Oslo-politiet, ikke minst. Vi forutsetter at ikke Oslo-politiet belastes de merutgiftene, som igjen vil måtte medføre at den alminnelige kriminalitetsbekjempelsen i denne byen vil bli skadelidende, men at dette tas fra sentralt hold ved Politidirektoratet. Så helt til slutt: Vi er enig i at det ikke skal være noen omkamp. Men når representanten Teigen og flere andre sier at det er bare en oppdatering: Vel, det er ikke bare det. Jeg har f.eks. sett at på Statsministerens kontor ansetter man en ny sjåfør. Man styrker den administrative staben med to stillinger. Med andre ord: Det er rom for endringer i det vedtatte budsjett, i hvert fall når man kan si at det er under rubrikken

Nok en gang viser en nysaldering at vi bruker mindre oljepenger enn det vi la til grunn, og at skatteinntektene øker mer enn det vi la til grunn. Det er selvfølgelig isolert sett positivt, men det gir også grunn til noen refleksjoner. Den ene refleksjonen er i av den debatten vi hadde på tirsdag, om dynamiske effekter av skattepolitikken. Jeg husker godt tilbake til 2004. I januar det året varslet Venstres daværende leder, Lars Sponheim, at gjennom en ny skattereform, med målrettede skattelettelser, ville skattelettelsene finansiere seg selv gjennom en større aktivitet i økonomien. Dette ble i VG 29. januar 2004 latterliggjort av Jens Stoltenberg, som kalte Lars Sponheim for «Voodoo-Lars» fordi han mente at det ikke var mulig å gjennomføre en slik reform uten kutt i budsjettet. har det vist seg at Lars Sponheim hadde rett – også i nysalderingen i år. Nå er det den samme retorikken når det gjelder formuesskatten. Fjernes eller reduseres formuesskatten, har vi ikke råd til skole, helse, gamle og kultur. Sannheten er jo at vi i 2012 kunne ha redusert formuesskatten med 4 mrd. kr og likevel brukt nøyaktig like mye til skole, helse, gamle, kultur Det er jo det som tallene i nysalderingen viser oss. Skatteinntektene fra formue og inntekt anslås til om lag 4 mrd. kr mer enn budsjettert. Dessuten viser tallene oss at formuesskatten er en stadig mindre viktig del av skatte- og avgiftssystemet. Den andre refleksjonen gjelder hele handlingsregelen, eller oljepengebruken. Hva pengene skal brukes til, skal jeg i denne sammenhengen la ligge. I 2006 anslo vi at oljepengebruken i 2012 kom til å være på om lag 100 mrd. kr dersom vi brukte 4 pst. statisk. Da mente alle at den regjeringen som satt da, kom til å ha tidenes handlingsrom. Sannheten er at vi i 2012 ser ut til å bruke og da kraftig nedkorrigert fra det opprinnelig budsjetterte, som var 122,2 mrd. kr. Og selv om vi bruker betydelig mer enn det vi la til grunn i 2006, er det bare 3,3 pst. av forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland, altså langt under 4 pst. Jeg har tidligere vært skeptisk til sentralbanksjefens forslag om å endre handlingsregelen til 3 pst. Jeg er langt mer usikker nå. Mye tyder på at det kan være fornuftig. En grunn er utsiktene fremover. Folketrygden er underfinansiert med over 100 mrd. kr. Samtidig står vi foran den kanskje største demografiske endringen Norge har sett på lang tid. Eldrebølgen kommer, og underfinansieringen av folketrygden vil bare øke om vi er det liten eller ingen vilje til. Derfor blir grepet fort at vi må bruke mindre av fremtidens pensjonsforpliktelser – oljeformuen. Den tredje refleksjonen er knyttet til CO2-håndteringen på Mongstad. Igjen reduseres bevilgningene kraftig når vi kommer til budsjettrevisjon. Det har dessverre blitt slik at Mongstad nå mer og mer fremstår som et Det budsjetteres friskt hvert eneste år – på samme måte som det gjøres med kjøp av klimakvoter – men når vi kommer til slutten av året, viser det seg gang på gang at det er klima- og miljøpenger som ikke blir brukt, og som kunne vært brukt på områder der effekten ville ha blitt mye større. Om jeg skal ha et ønske for det neste året, er det at vi tar fordomsfrie og ærlige debatter om nettopp disse temaene: om skattepolitikken, om handlingsregelen må og bør strammes inn, og om miljø- og klimapolitikk. Det er en avdempet tone i debatten, og

når historien om 2012 skal skrives, i hvert fall den økonomiske historien, er den at økonomien går rimelig bra i Norge, og at vi er på en litt annen kurs enn det mange av landene rundt oss er. Situasjonen i Europa var preget av usikkerhet da vi gikk inn i 2012, og den er også preget av usikkerhet når vi går ut av 2012, men kanskje med en litt mer håpefull tilnærming. Tidligere president i Tsjekkoslovakia, Václav Havel, ble en gang spurt om hvordan han så på framtidsutviklingen, om han var optimist på vegne av framtiden, og da sa Václav Havel: «Jeg er ikke optimist, jeg er heller ikke pessimist, men jeg er håpefull». Jeg tror at et begrep vi kan bruke om situasjonen i Europa nå ved utgangen av 2012, er «håpefull». Det har skjedd ting mot slutten av året som kan bidra til at vi kan bruke om situasjonen i Europa nå ved utgangen av 2012, er «håpefull». Det har skjedd ting mot slutten av året som kan bidra til at vi får større tillit rundt utviklingen i europeisk økonomi. Likevel går Europa i snitt – det er forskjellig fra land til land – inn i 2013 med tilnærmet nullvekst, eller i underkant av det, 2013 er relativt magre i euroområdet. Samtidig har en fått på plass nye tiltak for Hellas nå i siste runde, og en har også fått på plass rammeverket rundt en bankunion i euroområdet, som etter mitt syn vil kunne bidra til å bygge tillit til euroen og det som skjer i Europa. Men de grunnleggende utfordringer i europeisk økonomi er ikke løst, med underskudd, stor gjeldsbelastning og ikke minst en ledighet som har økt gjennom året. 25 millioner mennesker går inn i det nye året uten jobb, mange av dem med små håp for framtiden – ungdom som har vært ledige i lang tid, som mister muligheten til god utdannelse og til å få seg et fotfeste i arbeidslivet. Med andre ord: Det er store utfordringer i området rundt oss, og det er grunn til å være obs på det som skjer hos våre nærmeste samarbeidspartnere ute i Europa. Men alt dette er temaer som vi vil komme tilbake til ved ulike korsveier i det året som vi går inn i. Som et apropos til representanten Tenden: Jeg er veldig for en åpen og Som et apropos til representanten Tenden: Jeg er veldig for en åpen og samvittighetsfull debatt på mange områder, og jeg håper at vi kan fortsette å ha gode debatter om økonomiske temaer og utfordringer også i 2013. La meg til slutt bare si følgende, og det er at det går bra i norsk økonomi, men det er utfordringer som vi skal komme tilbake til. Jeg har også lyst til til. Jeg har også lyst til å si at det ikke er noen tilfeldighet at vi er der vi er. Det er et resultat av møysommelig arbeid over lang tid, som mange har tatt del i. Det er ikke naturgitt at dette vil fortsette, men vårt viktigste forsvarsverk er at vi i fellesskap kan bygge større motstandskraft inn i norsk økonomi. Med de

inn i den konkrete saken, siden dette hører inn under en annen statsråd. Men det jeg kan love nå på tampen av stortingsåret, er å bringe det videre til angjeldende statsråd, slik at vi kan se på saken, hvis det er slik bl.a. representanten Meltveit Kleppa sier. Så jeg kan love representanten Sanner at det vil bli gjort. Jeg har forståelse for at statsråden ikke kan ta det på sparket. Men for dem som er

mener noe annet, og det tror jeg vel egentlig mange her gjør, så håper jeg man bruker de kanaler man har for å se på dette på nytt. Så til spørsmålet: Har regjeringen gjort seg opp en mening om hvorvidt de betydelige ekstrautgiftene som Oslo-politiet hadde i forbindelse med Nobels fredspris, skal dekkes av Oslo-politiet selv, eller skal det dekkes fra sentralt

vedtok Stortinget en økning i forhold til regjeringens forslag under Kap. 2410, Statens lånekasse for utdanning, post 90, økt lån og rentegjeld. Dette har konsekvenser for Kap. 5999 post 90. Ved en inkurie ble dette ikke tatt hensyn til da Stortinget vedtok bevilgninger for Kap. 5999 post 90. Finanskomiteen tilrår derfor at vedtaket av 14. desember 2012 under Kap. 5999 post 90, annulleres, og at Kap. 5999, post 90, bevilges 124 722 009 000 kr for 2013.

de er

skjønner at jeg har

000» Presidenten antar at Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre nå støtter innstillingen subsidiært. Presidenten gjør oppmerksom på at det har vært nødvendig å føre opp en ny sak på dagsordenen for å kunne korrigere et vedtak som ble gjort i Stortingets møte fredag 14. desember. Til denne saken har representanten Ketil Solvik-Olsen satt fram et forslag på vegne av finanskomiteen.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er